men de er også samlingsrom som er viktige for bønn, for ettertanke og for våre mange høytidelige seremonier. Senterpartiet er enig i og sterk tilhenger av at kirkesognene skal være eier og forvalter av byggene. Det er det beste eierskapet for både kirkeliv og lokalsamfunn, men vi er samtidig glad for at departementet har et fokus på hvordan det utvikler seg. Det er en klar erfaring at i kommunal forvaltning og i kommunal prioritering er det lett for at vedlikehold og sikring av kirkebygg taper i konkurransen om knappe økonomiske ressurser. Derfor er vi i Senterpartiet og regjeringa veldig glad for at vi har fått til en forsterking av rentekompensasjonsordningen, for bedre ivaretakelse av kirkebygg. Jeg ba om ordet for å anføre et hovedpoeng, nemlig at denne manglende prioriteringa av vedlikehold av kirkebygg i den kommunale forvaltningen også henger sammen med at det sjølsagt i kommunestyrene er representanter med ulik religiøs tro. Det er også medvirkende til at vi i en del kommuner ikke har fått den nødvendige samling om prioritering av vedlikeholdet. Derfor er det så viktig at både regjering, stat og kommune legger til rette for livssynsnøytrale rom i kommunene, slik at alle får ivaretatt sitt behov for rom i den sammenheng. Det vil også gi en breiere partipolitisk oppslutning om det vedlikehold – og den opprustning – som er. Jeg håper at vi kan få et større fellesskap på det området, noe som vil være til gunst for alle parter.

innsatsen, fra 285 mill. kr i kommunal sektor i 2005 til 766 mill. kr i 2009. Det er altså en økning på 481 mill. kr i kommunenes prioritering av vedlikeholdet. Så er det statens oppgave å bidra til et kunnskapsgrunnlag, og det har vi gjort ved at vi har foretatt flere omfattende gjennomganger av kirkebyggene, sånn at man nå har kunnskap om det som er manglene, og at man kan sette i gang tiltak som er riktige. Så har jeg også registrert at flertallet i kontrollkomiteen sier at vi bør «bidra med nødvendige statlige midler for et nasjonalt løft i sikringsarbeidet av fredede og verneverdige kirker». Jeg må si at det var med en viss interesse jeg leste innstillingen fra finanskomiteen, for å se hvordan dette hadde materialisert seg der, men jeg ble ganske skuffet. Jeg fant ikke mye om det i den Fra vår side kommer vi til å følge opp det store forliket som ble framforhandlet i 2008, om at det er det kommunale nivået som skal ha hovedansvaret for finansiering av den lokale kirken og vedlikeholdet. Så bare en kommentar – det var for så vidt derfor jeg ba om ordet – til representanten Bekkevolds påpekning av hvor viktig det er å Så bare en kommentar – det var for så vidt derfor jeg ba om ordet – til representanten Bekkevolds påpekning av hvor viktig det er å ta vare på de små håndverksfagene. Som nordisk samarbeidsminister er jeg kjent med at det på nordisk side jobbes med å få til en god arbeidsdeling når det gjelder hvordan vi skal jobbe med de små og utryddingstruede håndverksfagene. Det er

arbeidsoppgaver. Veldig ofte – hvis man ikke har den nødvendige kunnskapen – kan ting bli gjort feil og må gjøres på nytt igjen. Jeg vil også minne om den betydelige kompetansen Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider besitter, som også bidrar til kunnskap når det gjelder vedlikehold av mange av steinkirkene som er i Norge. Det er et imponerende Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, og mange lokalsamfunn har god nytte av den kunnskapen som utvikles der. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4. At bygg i helseføretaka er

bygningsmasse. Dei finn at ut frå norsk standard for tilsynsanalyse av byggverk har halvparten av den totale bygningsmassen symptom på dårleg teknisk tilstand. Helseføretaka overtok bygg og utstyr for 66 mrd. kr då sjukehusreforma blei innført, og verdien fram til 2009 har stige med 13

vere i ein slik stand at det aldri vil gå ut over behandlingstilbodet eller moglegheitene for dei tilsette til å utføre jobben sin. Riksrevisjonen påpeiker heldigvis ingen sånne tilfelle. Derimot kom det fram at det er behov for oppgradering, og det er ein samla komité som forventar at helseføretaka sitt arbeid med å utarbeide mål og planar for bygningsmassen og òg dei økonomiske prioriteringane innanfor kvar region vil gje fleire positive resultat når det gjeld kontinuerleg vedlikehald. Fleire av helseføretaka peiker på at tilstanden kjem av at lokala inngår i ein investeringsplan og/eller at lokala skal bli erstatta med nye bygg. Arbeidarpartiet, SV og Senterpartiet ser derfor positivt på at dei fleste helseføretaka har utarbeidd vedlikehaldsplan, og dei som ikkje har utarbeidd det, er i gang med å gjere det, og at ein del arbeid òg er sett i gang i helseregionane på bygg- og eigedomsområdet for å få betre informasjons- og plangrunnlag. Pasientar og tilsette sitt behov for funksjonelle og driftseffektive bygningar er eit veldig viktig element for å sikre ressursutnytting. Det er ein samla komité som forventar at det nasjonale prosjektet som no er sett i gang for å klassifisere sjukehusareal, vil bidra til effektivisering, ved at ein gjennom samanlikning av arealfordeling og måling av areal opp mot produksjon oppnår det same. Jobben med å styrkje vedlikehaldet der det trengst, er altså i gang, og det er ingenting som tilseier at det arbeidet ikkje vil

kor alternative investeringar blir vurderte med grunngjeving ut frå forskjellige valde alternativ. I 2006 blei det utvikla ein rettleiar for nettopp ei sånn tidlegfaseplanlegging i sjukehusprosjekt for å bidra til ei effektiv og målretta planlegging med styrkt kvalitet. Riksrevisjonen sine funn seier at rettleiaren har bidrege til å etablere eit felles system

undersøkelsen viser at det faktiske valget av utbyggingsalternativ i stor grad skjer før utredningene og analysene av de alternative forslagene i konseptfasen foreligger.» Når det har gått så galt med denne fusjonsprosessen ved Oslo universitetssykehus, skyldes det etter statsrådens oppfatning at det
Departementet seier i svaret sitt at «ansvars- og beslutningsstrukturen for investeringsprosjekter i helseforetakene ikke er den samme som i prosjekter i statlig regi», og det har dei gjort greie for skriftleg ved fleire anledningar. I helseføretaka blir det lagt fram fleire konseptrapportar, og avgjerda blir teken etter den siste rapporten, der det valde alternativet blir lagt fram i full breidd. Det er ein samla komité som ser at utbygging, lokalisering og val av sjukehusutbyggingar er eit fagfelt, som i kvart einaste tilfelle har ei lang forhistorie, og at det er mange fleire interesser og område ein må ta omsyn til enn målbare bedriftsøkonomiske variablar som ligg til grunn for eit vedtak. Likevel understrekar ein samstemt komité at det er viktig at det blir utarbeidd eit presist avgjerdsgrunnlag i sånne prosessar,

en innstilling som ikke er enstemmig på en del punkter, ønsker jeg å legge til noen kommentarer. Uenighetene i formuleringer kan oppfattes å dreie seg om hvor alvorlig man ser på situasjonen. Opposisjonen i Stortinget er samlet om en skarpere advarsel om forholdene enn hva det kan virke som om regjeringspartiene er. Komiteens flertall, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser i sine merknader til at betydelige deler av bygningsmassen til helseforetakene er i for dårlig teknisk stand til å tilfredsstille dagens krav. Rundt halvparten av bygningsmassen har kraftige symptomer Riksrevisjonens undersøkelse viser videre at det er et omfattende behov for bygningsmessig oppgradering, da deler av bygningsmassen er lite egnet for dagens drift. 20 pst. av arealet har dårlig funksjonalitet og er ikke tilpasset helseproduksjonen. Det er svært viktig at helseforetakenes areal har god funksjonalitet. Ansattes behov for er et viktig element for å sikre god ressursutnyttelse. Flertallet i komiteen mener det er svært uheldig at betydelige deler av sykehussektoren er preget av dårlig vedlikehold. Helseforetakenes bygningsmasse må være tilpasset helseproduksjonen slik at den bidrar til en rasjonell utøvelse av driften. Riksrevisjonens undersøkelse viser også at tilstanden til bygningsmassen har blitt forverret de siste årene. Ifølge helseforetakene skyldes dette en nedprioritering av forebyggende vedlikehold. Det er grunn til bekymring når det offentlige ikke ivaretar fellesskapets eiendommer ved at det drives et jevnt vedlikehold. Manglende regelmessig vedlikehold gjør ofte at istandsetting og det ekstraordinære vedlikeholdet blir stadig mer kostnadskrevende. Etter vårt syn må statlige myndigheter være seg sitt ansvar bevisst og sørge for at vedlikeholdsansvaret kan bli tatt godt hånd om. Løsningen må være både strakstiltak og langsiktige tiltak. Det er dårlig samfunnsøkonomi å la eiendommer forfalle slik tilfellet er så langt. Flertallet mener rapporten viser at det er behov for å få på plass en helhetlig finansieringsplan for vedlikehold og oppgradering av sykehusene. Det sier seg selv at verditapet blir større for hver dag det ventes med nødvendige investeringer. Samtidig mener flertallet at det er viktig at de nødvendige investeringene ikke tas fra pasientbehandlingen. I en særmerknad fra Fremskrittspartiet vises det til at sykehussektorens trange økonomi forklarer noe av den situasjonen man er i. Fremskrittspartiet har en rekke ganger tatt til orde for at det også bør vurderes å slette deler av sykehusenes opparbeidede gjeld, i tillegg til å bevilge Det er åpenbart at sykehusenes gjeldssituasjon er svært belastende. Jeg vil også ta med at Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre i en av sine merknader løfter frem ikke bare det at beslutningsgrunnlaget for nye sykehusbygg ikke er godt nok til å sikre realistiske byggeprosjekter, men også problemet med urealistiske forventninger til mulige Vi forventer at det legges til grunn realistiske planer når så store byggeprosjekter planlegges. Erfaringer viser at det tar tid før gevinstrealisering kan forventes, og at disse først kan forventes etter at nytt bygg og ny organisering har fått gått seg til. Saksordføreren er også meget grundig inne på kvalitetssikringen av nybygg i slutten av sitt innlegg, så jeg skal ikke utdype det ytterligere.

sier ingenting om forholdet mellom bygningskvalitet og pasientsikkerhet. Det skal jeg derfor komme tilbake til. La meg legge til at det sistnevnte er ikke noen kritikk av Riksrevisjonen, for dette har ikke vært målet med rapporten, og kanskje er det heller ikke i Riksrevisjonen den fremste kompetanse der ligger, men muligens i helseforetakene. Jeg har lyst til å sitere fra innstillingen fra flertallet, som representerer opposisjonen i Stortinget. Flertallet mener at «det er svært uheldig at betydelige deler av sykehussektoren er preget av dårlig vedlikehold og vil fremheve at helseforetakenes bygningsmasse må være tilpasset helseproduksjonen slik at den bidrar til en rasjonell utøvelse av driften. Riksrevisjonens undersøkelse viser at tilstanden har blitt forverret de siste årene. Ifølge helseforetakene selv skyldes dette en nedprioritering av forebyggende Når regjeringspartiene ikke vil være med på denne beskrivelsen, som jeg mener har sin dekning i Riksrevisjonens rapport, er det grunn til å stille tre spørsmål: Mener virkelig regjeringspartiene at det ikke er uheldig med dårlig vedlikehold? Er regjeringspartiene uenig med Riksrevisjonen i at situasjonen har blitt forverret? Er regjeringspartiene uenig med helseforetakene i at det har skjedd en nedprioritering av forebyggende vedlikehold? Om statsråden svarte på disse spørsmålene, ville heller ikke det være av veien. Det er iallfall et område der det er farlig å drive skjønnmaling, og det er på helsesektoren, for det kan gi ganske dramatiske utslag. Jeg er klar over at denne rapporten ikke gjelder Oslo universitetssykehus spesielt, vi kommer tilbake til en debatt om den saken. Men nettopp bygningskvaliteten har vært et tema ved denne fusjonen – eller kanskje det ikke har vært et tema forut for beslutningen om fusjon. Derfor har jeg to spørsmål til statsråden. Jeg starter med et sitat fra hva regjeringspartiene sier i innstillingen: «Disse medlemmer forventer likevel at alle bygg i alle foretak til enhver tid er i slik stand at det aldri vil gå ut over behandlingstilbudet.» Vil statsråden fra denne talerstol forsikre at det er tilfellet, altså at det ikke går ut over behandlingstilbudet ved Oslo universitetssykehus? Og spørsmål 2 – jeg starter med følgende sitat: «Komiteen» – og det er da den samstemmige komiteen, naturlig nok – «merker seg at undersøkelsen viser at det faktiske valget av utbyggingsalternativ i stor grad skjer før utredningene og analysene av de alternative forslagene i konseptfasen foreligger.»

med denne fusjonsprosessen ved Oslo universitetssykehus, skyldes det etter statsrådens oppfatning at det som her beskrives, faktisk var tilfellet, altså at man besluttet seg for en fusjon før man analyserte bl.a. det bygningsmessige grunnlaget for det som en del av kostnadene? Jeg vil utdype dette ved å vise til at selskapet Multiconsult i mai i år leverte en knusende tilstandsrapport av bygningsmassen ved Oslo universitetssykehus. Enda mer dramatisk ble situasjonen da Arbeidstilsynet etter Disse opplysningene er hentet fra Dagens Næringsliv 3. november i år. Senere har Multiconsult beregnet Arbeidstilsynets pålegg til 8,7 mrd. kr. Til det svarer altså konstituert direktør ved Oslo universitetssykehus at han «tror ikke det er fornuftig å bruke åtte–ni milliarder kroner på å utbedre gamle hus». Sitatet er hentet fra samme avis. Mitt spørsmål til statsråden er da: Står også statsråden bak det syn at Arbeidstilsynets pålegg ikke skal følges opp, slik Universitetssykehusets direktør, på det daværende tidspunkt i alle fall – han er vel fortsatt konstituert etter det jeg har klart å få med meg – her faktisk sier? Ytterligere vil jeg bare peke på at med denne rapporten? Eller vil hun også i denne saken lukke øynene og vise til at dette er et ansvar for andre enn statsråden? Det kan i det lange løp bli en vanskelig forsvarslinje, i alle fall etter min oppfatning.

å la helseforetakene opparbeide gjeld, og så slette den. Når man også gjør det utenom vanlig budsjettpraksis, blir det enda verre. Men som styringssignal er slik sletting av gjeld et usedvanlig dårlig signal. Jeg er derfor glad for at man ikke har gjentatt disse synspunktene i innstillingen slik den nå foreligger. Det er kanskje klokt gjort, for å si det på en pen måte.

eller mangel på vilje til å prioritere vedlikehold. Svaret er antakelig en kombinasjon av begge deler. Riksrevisjonen har i den foreliggende saken vurdert om spesialisthelsetjenestens eiendomsmasse blir forvaltet og utviklet på en effektiv måte og i samsvar med overordnede føringer. Det er bl.a. sett på tilstandssituasjonen, vedlikehold, utvikling og arealutnyttelse av eiendommene beslutningsmaterialet ved nybygg og arbeidet med gevinstrealisering om de regionale helseforetakenes styring sikrer hensiktsmessig og effektiv eiendomsforvaltning, og hvordan departementet sikrer en slik forvaltning Resultatet er på mange måter nedslående. Rundt halvparten av bygningsmassen har symptomer på dårlig teknisk tilstand, og dette har forverret seg de siste årene, fra 2003 til 2010. 2010. Selv om de fleste helseforetakene har utarbeidet vedlikeholdsplaner, blir langt fra alle planlagte tiltak gjennomført. Det reelle behovet for vedlikehold er også større enn det som framkommer i planene. En fjerdedel av helseforetakene har ikke regnskapsinformasjon om hva de årlig bruker på vedlikehold, kun tre foretak registrerer vedlikeholdskostnadene etter Norsk Standard, og bare seks fører kostnadene på en slik måte at tallene kan sammenlignes med tidligere år. Dette var bare noen eksempler. Kristelig Folkeparti synes dette er urovekkende. Det gjør det heller ikke noe bedre at Riksrevisjonen også har kommet til at beslutningsgrunnlaget for nye sykehusbygg ikke er godt nok til å sikre at riktige og realistiske byggeprosjekter blir igangsatt. Ofte blir man bundet opp til bestemte løsninger så tidlig i prosessen at det begrenser handlingsrommet når det gjelder å finne alternative løsninger som kanskje kan være bedre. Det er viktig at helseforetakene har et presist og godt beslutningsgrunnlag som sikrer best mulig bruk av ressursene, og som sikrer kvalifisert og god pasientbehandling, samtidig som bygget er et tjenlig arbeidsredskap for de ansatte. De krav som settes til gevinster i form av innsparinger o.l., må være realistiske. Omlegginger og omstillinger krever tid og tilpasninger. Dette må det også tas høyde for. Selv om det de senere årene har vært bygget flere nye sykehusbygg, er det fortsatt en stor del av bygningsmassen i helseforetakene som har dårlig funksjonalitet og ikke tilfredsstiller dagens krav. Det er helt tydelig at det trengs oppgraderinger. Helseforetakene må sørge for at så skjer. Et jevnt og planmessig vedlikehold vil bidra til at skippertaksutbedringer kan unngås i framtiden, og at penger kan spares på sikt. Det er ikke god samfunnsøkonomi å la eiendommer forfalle. Statlige myndigheter, herunder Helse- og omsorgsdepartementet, har et ansvar for å se til at så ikke skjer.

Det er mange parametre man kan bruke for å måle en bygningsmasses utvikling, men som egentlig ikke sier så mye om den tekniske tilstanden. Derimot sier investeringstakten over tid noe om utvikling over tid. Da sier tallene at man har brukt godt over det dobbelte i kroner per år fra 2005 til nå i forhold til det som var tilfellet før reformen i 2001. Dette er nok også en av årsakene til at den bokførte verdien nå er 13 mrd. kr høyere enn det den var i bygningsmassen selvfølgelig da er langt høyere. Jeg vil også nevne at 20 pst. av bygningsmassen er bygd etter 2000, og at man i perioden 2003–2009 brukte 40 mrd. kr til å investere i bygningsmassen. Alt dette peker mot at man har fått et betydelig taktskifte i vedlikeholdsarbeidet, ikke minst når man sammenligner dette med 1990-tallet, hvor man brukte om lag 3 mrd. kr årlig til vedlikehold og Hvordan kan man da forklare at rapporten peker på at den tekniske tilstanden har forverret seg? Det har jeg ikke noe klart svar på, og det er det vanskelig å lese ut av rapporten. Men når det gjelder dette, mener jeg at rapporten har to svakheter. Den første svakheten jeg vil peke på, er at rapporten tar utgangspunkt i en nå-tilstand, slik at vi ikke har noe faglig grunnlag å sammenligne med når det gjelder hvordan dette har utviklet seg over tid. Men, som sagt, når man ser på historiske fakta i forhold til bevilgning, er det grunn til å anta at vedlikeholdsetterslepet har vært betydelig. betydelig. Det er også grunn til å anta at man nå er underveis for å ta igjen dette, siden det rapporterte behovet etter Riksrevisjonens undersøkelse – for å sette 75 pst. av bygningsmassen i full stand igjen – nå er 19 mrd. kr. Den andre faktoren jeg vil peke på, er at flere av svarene fra undersøkelsen viser til bevisste nedprioriteringer, med den begrunnelse at man enten skal investere i henhold til en vedlikeholdsplan eller avhende bygningsmassen. Jeg antar at denne bygningsmassen inngår som en del av helheten når man har gitt tilbakemelding om at den tekniske tilstanden har blitt dårligere. Det er i så fall ikke dramatisk – hvis man har planlagt dette i forhold til en større forbedring eller en avhending av bygningsmassen. Det å drive sykehus er dynamisk arbeid, fordi man i denne sektoren har en rivende teknologisk og medisinsk utvikling som gjør at behov i bygningsmassen endrer seg. Her kan man vise til utvidet åpningstid for poliklinisk behandling på kveldstid. Andelen kirurgi som nå foretas som dagkirurgi, er økende, noe som fører til mindre arealbehov. SINTEF kom med en rapport i 2006. Der hadde de forsket litt og mente at man man kunne øke kapasiteten med 70 pst. hvis man økte poliklinisk behandling med fra seks til ti timer per dag, og fra 230 til 240 dager i året. Vi har også en sentralisering i befolkningen, som gjør at byene med omland får en stadig større del av befolkningsveksten. Derfor er det bra at man nå jobber med et nasjonalt prosjekt for å klassifisere sykehusareal. Dette vil gi mulighet for å sammenligne areal med produksjon, noe som igjen vil gi en utvikling av best praksis, slik at man kan søke en så god arealeffektivitet som mulig. Dette vil også bidra til nok et verktøy for helseregionen til å ivareta sitt samordningsansvar i takt med teknologisk utvikling, medisinsk utvikling og Til slutt: Jeg har merket meg at det er en samlet komité som har pekt på den fireårige prøveperioden med ekstern kvalitetssikring av konseptfaseutredning i helseforetakene, omtalt i Prop. 1 S for 2010–2011 fra Helse- og omsorgsdepartementet. Dette vil bidra til at det utarbeides et presist beslutningsgrunnlag i prosesser hvor man skal beslutte store investeringer. Jeg støtter helhjertet opp om denne

Bygg og utstyr ble i 2002 verdsatt til 66 mrd. kr, og ved utgangen av 2009 hadde verdien steget til ca. 77 mrd. kr. Verdien av sykehusenes bygg- og medisinsktekniske utstyr har altså økt. Vi har fått flere moderne, oppgraderte og funksjonelle sykehus. Samtidig er det slik at ikke alt er nytt, og alt er heller ikke godt nok vedlikeholdt. Selv om det er mange ønsker om å oppgradere og fornye bygningsmassen, kan ikke alt gjøres samtidig. Bygningsmassen som helseforetakene overtok i 2002, var av varierende kvalitet. Det forelå omfattende planer for nybygging. Det ble etablert styrings- og oppfølgingssystemer som bl.a. vektla kvalitetssikring, både i planleggingsfasen og i gjennomføringsfasen av investeringsprosjekt. Det ble videre stilt krav om vedlikeholdsplaner og at disse måtte ses i sammenheng med planer for nyinvesteringer. Dagens tilstandsnivå på bygningsmassen varierer mellom regionene, og også mellom sykehusene i hver region. Det finnes omfattende investeringsplaner i alle helseregioner, og vi ser en klar sammenheng mellom investeringsnivå og tilstandsnivå på bygningsmassen. Ut fra den informasjonen jeg har fra de regionale helseforetakene, har Helse Midt-Norge en bygningsmasse med en gjennomsnittlig tilstandsgrad i tråd med det ambisjonsnivå som er satt for tilstandsnivå for bygningsmassen. Helse Midt-Norge er også den regionen som har hatt det høyeste investeringsnivået den siste perioden. Helse Nord er den regionen som har den laveste gjennomsnittlige vektede tilstandsgraden på bygningsmassen. Helse Nord har for tiden to større prosjekter under gjennomføring. Dette er ombygging og modernisering av Nordlandssykehuset i Bodø og nytt lokalsykehus i Vesterålen. Videre er det planlagt igangsetting av bygging av ny A-fløy ved Universitetssykehuset Nord Norge for 2012. I tillegg foreligger det konkrete planer om utbygging både i Kirkenes og i Narvik. Det er to forhold som særlig har hatt innvirkning på utviklingen av investerings- og vedlikeholdsaktiviteten ved norske sykehus i tiden fram til 2009: Fram til 2008 var det et underliggende effektiviseringskrav knyttet til sykehusenes bygg- og utstyrsmasse fordi helseforetakenes inntektsrammer bare ga rom for å gjenanskaffe og vedlikeholde om lag to tredeler av bygningsmassen. Fram til 2009 var det en vedvarende underskuddssituasjon ved sykehusene som tilsa at det ikke var god nok økonomistyring. Styring og kontroll med ressursbruken er avgjørende for å kunne gjøre de riktige prioriteringene. Denne regjeringen har lagt inn nok penger til både å gjenanskaffe og vedlikeholde hele bygningsmassen, og vi har generelt styrket sykehusøkonomien og fått orden på økonomistyringen. Tidligere effektiviseringskrav knyttet til bygningsmassen er borte, og det ble lagt inn en årlig inntektsvekst på 1,67 mrd. kr fra 2008 – til 5,5 mrd. kr – slik at det skal være mulig å investere og oppgradere i helseforetakenes basisrammer. Dette har satt helseforetakene i stand til å ha et høyere investeringsnivå, og ikke minst har det gitt et større handlingsrom når det gjelder fremtidig investeringshastighet og -nivå. Utfordringen med bakgrunn i nye bygningsprosjekt må håndteres i tråd med de generelle omstillingsutfordringene. Her har utviklingen vært god de siste årene. I 2009 gikk de regionale helseforetakene samlet sett med positive resultat, og i 2010 hadde alle de regionale helseforetakene overskudd i sin drift. Vi kjenner alle til de utfordringene som gjelder i hovedstadsområdet. Samtidig må vi heller ikke glemme resten av Sykehus-Norge, hvor sykehusene ikke bare går i balanse, men også kan vise til positive resultater. Dette gjør dem mer robuste inn mot fremtiden og vil sikre fortsatt utvikling i spesialisthelsetjenesten og flere moderne og funksjonelle sykehus i tiden fremover. Så skal jeg prøve å svare på noen av de spørsmålene som kom fra representanten Foss. Det ene gjelder Oslo universitetssykehus. vi har ikke fått noen meldinger som tilsier at dårlig bygningsmasse har ført til dårlig pasientsikkerhet, men jeg er veldig enig i at man må ivareta vedlikehold av bygningene. Det må gjøres innenfor driftsbudsjett. Oppgradering og investering må gjøres innenfor de midlene som stilles til disposisjon for det – og når det gjelder investering, innenfor de lånebeløp som stilles til de lånebeløp som stilles til disposisjon når det foreligger gode og ferdige prosjekter. Riksrevisjonens rapport, slik jeg forstår den – når det gjelder dette etterslepet som omtales, som er stort – tar heller ikke hensyn til hvilken del av bygningsmassen som skal avhendes, eller hvilken del av bygningsmassen som skal fornyes. Jeg refererte nettopp til store fornyelser, spesielt i Helse Nord. Ved Oslo universitetssykehus har vi nå fått forelagt ett prosjekt, som er en del av et nybygg for å samle akuttfunksjoner, med årsak til omstillingen i Oslo universitetssykehus, nettopp at man skulle se på hvilken del av bygningsmassen man skulle bruke, og hvilken del som skal avhendes. Jeg er veldig enig i at det er viktig at det arbeidet gjøres, slik at man i forbindelse med omstillingen får avhendet, eventuelt får nybygg der hvor det er behov for det. Så vil jeg også si at det er brukt store beløp i Så vil jeg også si at det er brukt store beløp i hovedstadsområdet på nybygg de siste årene. Det forhindrer ikke at vi skal gjøre det bedre der hvor det er for dårlig. Igjen vil jeg vise til at helseforetakene må ha gode vedlikeholdsplaner og gjennomføre dem, for uansett om man skal investere nytt,

av det vanlige slaget, men vi behandler altså Riksrevisjonens rapport. Så sa statsråden i sitt svar til meg at man ikke har fått melding om at bygningsmassens tilstand er gått ut over pasientsikkerhet. Når Arbeidstilsynet gir pålegg og anbefalinger om utbedringer i størrelsesorden 8–9 mrd. kr, mener da statsråden at dette ikke har noen sammenheng med pasientsikkerhet, altså med andre ord, bare med sikkerhet for

Så har jeg lyst til å bemerke at når beslutningen ble tatt om å samle de fire Oslo-sykehusene, visste man hvordan tilstanden var. Det er også helt klart at det måtte gjennomføres både oppgradering og nybygg over tid. Det første prosjektet vi har fått forelagt oss, er det nye akuttbygget, som man begynner på nå. Så skal ikke jeg unnskylde det at man ikke har foretatt nødvendig driftsmessig vedlikehold, for det ser jeg på som en del av det å ha en virksomhet at man utfører. Det mener jeg at man også må gjøre når det gjelder Oslo universitetssykehus, og så må man jobbe fort med det arbeidet som også var en forutsetning, nemlig se på hvilke bygninger det er som skal brukes, og hvilke det er som skal Jeg skjønner at statsråden forholder seg til meldinger, men forholder ikke statsråden seg mer aktivt til en prosess hvor vi får så mange meldinger om at det ikke går, ja, hvor også fylkeslegen faktisk anbefaler statsråden som eier av sykehusene å ta – for å bruke et populært uttrykk – en «time out», altså stanse prosessen, eller redusere tempoet i omstillinger, av hensyn til pasientsikkerheten? Når Arbeidstilsynet kommer med pålegg om utbedringer i størrelsesorden 8–9 mrd. kr, vil ikke da statsråden gjøre undersøkelser på egen hånd for å se om dette kan stemme? Det står jo ikke i forhold til et nybygg i størrelsesorden 1,5 mill. kr på akuttsiden. Det må jo være noen størrelsesordener her som gjør at statsråden snakker om en annen virkelighet enn den som eksisterer

etter at en stor andel av pasientgrunnlaget flyttet f.eks. fra Aker til Ahus. Dette er ytterst krevende, og jeg har stor forståelse for at det er vanskelig å stå i den hverdagen som man står i ved Oslo universitetssykehus. Den omstillingen som skjer, må gjennomføres med klokskap, og så må man ta en pause der hvor det er klokt og riktig å gjøre det. Men noen ganger i en prosess er det ikke mulig bare å trykke på pauseknappen. Da må man faktisk gjennomføre det man har satt seg fore. Det siste kan jeg være enig med statsråden i. Men hvis det dukker opp nye opplysninger, er det mulig at tempoet i prosessen kanskje burde tilpasses virkeligheten. Mitt spørsmål til statsråden er Er hun fornøyd med at Oslo universitetssykehus drives videre uten å ta hensyn til pålegg fra Arbeidstilsynet? Er statsråden også sikker på at det ikke har virkning for pasientsikkerheten ved Oslo universitetssykehus? Man er nødt til å ta hensyn til alle tilsyn og alle pålegg fra dem. Jeg har lyst til å gjenta at det nå er særdeles viktig å få vite hvilke bygninger og hvilke bygg og hvilke bygg man skal fortsette i, og hva det er som skal avhendes. Det er en prosess som må gjøres. Den prosessen kan ikke stoppe opp. Det ville være særdeles alvorlig for pasientsikkerheten i noen sammenhenger hvis man stopper opp midt i en omstilling. Så kan det være at man skal ta pauser når man er ferdig med klinikk, ha samling, og så skal man vurdere: Skal vi nå fortsette sånn som man har gjort tidligere? Det er en vurdering som ledelsen, sammen med de ansatte, hver gang må gjøre. Jeg må ha tillit til, nå som vi har fått et nytt styre på plass – i hvert fall er store deler av styret endret og skiftet ut – at man klarer dette på en

rapporten fra Arbeidstilsynet om Oslo universitetssykehus. Det gjør også Fremskrittspartiet som helhet. Vår helsepolitiske talsmann, stortingsrepresentant Per Arne Olsen, tok i den forbindelse til orde for at det utarbeides en egen plan for hvordan man skal sørge for at dette etterslepet som knytter seg til vedlikehold, skal finansieres, slik at man kan få orden på det raskest mulig. Jeg deler også prinsipielt Foss sitt syn på at gjeldssletting ikke er en god måte å styre på. Men slik jeg analyserer det, har vi nærmest en unntakstilstand i vår helsesektor. Det er svært dårlig samfunnsøkonomi å sitte stille mens bygninger og utstyr forfaller, og det må også sies å være en dårlig måte å styre på. Gjeldssletting er også brukt, så vidt jeg husker, i andre sammenhenger. også brukt, så vidt jeg husker, i andre sammenhenger. For å ta andre eksempler på at dette er en sektor som sliter med styringen: Jeg mener å huske fra en av de rapporter vi tidligere har behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen, at det er en betydelig gjennomtrekk på ledersiden i sykehusene, på økonomiledelsen i sykehusene, og det kommer stadig frem nye saker i media. Det må være åpenbart at man har et problem når vi i går, mener jeg å huske, i nyhetene kunne se rapporter fra Sørlandet, at utstyr for 15 mill. kr på en avdeling hadde stoppet helt opp. Det fører selvfølgelig til køer, og det rammer pasientene direkte. Når man har slike unntakssituasjoner, må man gjøre noe drastisk. Da er det åpenbart for Fremskrittspartiet at dette er en sektor som har vært underbudsjettert i mange år. Det er noe av grunnen til at vi da har kommet med en del tiltak på sektoren som er ganske drastiske. I det alternative budsjettet for i år har vi bl.a. foreslått en økning på 2,5 mrd. kr. Men til mitt hovedpoeng: De partier som er i flertall i komiteen, og som er i opposisjon i denne sal, har altså en mer alvorlig tilnærming til dette enn hva regjeringspartiene kan oppfattes å ha, slik det vil fremgå av merknadene i denne innstillingen. Dette er innstillingen. Dette er ikkje nokon konkurranse om å ta tilstanden mest alvorleg. Regjeringspartia tek Riksrevisjonen sine funn på alvor, og me tek den oppgåva det er å komme à jour med vedlikehaldet, på alvor.

noko som me veit verkar, og dei tiltaka som regjeringa har sett inn, har vist resultat allereie. Eg har full tillit til at dei kjem til å vise fleire positive resultat. Ein må setje inn tiltak som monnar litt. Eg oppfattar Framstegspartiet sitt engasjement for dette som veldig ærleg og oppriktig. Men likevel må eg seie at

For helsevesenet i østlandsområdet har de siste årene vært preget av enorm uro og uforutsigbarhet. Særlig har sammenslåingen av Oslo universitetssykehus vært en av hovedbidragsyterne til de problemene som har preget Helse Sør-Øst. Men også sammenslåingen av Kongsberg sykehus, Sykehuset Asker og Bærum og Ringerike sykehus til Vestre Viken helseforetak har bydd på problemer. I tillegg har systemene sviktet, og utgiftene har skutt i været. Det hele startet i 2007, da de regionale helseforetakene Helse Øst og Helse Sør ble slått sammen til ett massivt helseforetak med ansvar for omtrent halve Norges befolkning, med Oslo universitetssykehus som sin kronjuvel. Hensikten var å bedre pasientsikkerheten, styrke fagmiljøene og kutte kostnadene. Det var gode intensjoner. Nå – nesten fem år senere – ser vi pasienter, tillitsvalgte og tilsynsmyndigheter som er bekymret for pasientsikkerheten. Vi ser fagmiljøer i oppløsning, og vi ser budsjettsprekker i milliardklassen. Samlet underskudd for de fire foretakene i Vestre Viken har vokst jevnt siden fusjonen sommeren 2009

inkludert en av dem vi så i reportasjen i går. Disse kunne fortelle hjerteskjærende historier om at ungdommer med sjeldne og kompliserte sykdommer ikke får behandling innen fristene, at de ikke blir innkalt til operasjon eller poliklinikk, og at de ikke engang får kontakt med sykehuset når de ringer – det vil si med rette vedkommende på sykehuset. Foreldrene er frustrerte, men frustrasjonen er også å finne i andre enden av telefonen. Legene er like fortvilte som pasientene. De har ikke systemer som fungerer. Alle avtaler og all journalbehandling må gjøres manuelt, og det gjør arbeidet ineffektivt og strevsomt. Samtidig kuttes nå antall ansatte på denne aktuelle avdelingen, ortopediavdelingen på Rikshospitalet. Dette gjør at pasientene ikke får den behandlingen de har krav på, og de går unødig lenge med smerter – store smerter. En av de viktigste forutsetningene for en vellykket fusjon er at alle spiller på lag – ansatte, tillitsvalgte, ledelse og eiere. Det er elementært. Jeg står her med resultatet av medarbeiderundersøkelsen fra Oslo universitetssykehus. Undersøkelsen gir et godt bilde av hvordan de ansatte – på alle nivåer – føler at de har det på jobb. Det gir en pekepinn på hvilken belastning de ansatte har på jobben. Det er interessant lesning. Men det som gjør undersøkelsen ekstra interessant, er at den også spør de ansatte om hvordan de ser på den pågående omstillingsprosessen, og noen av tallene er Syv av ti har ikke tro på at Oslo universitetssykehus klarer å nå ambisjonene som ligger til grunn for sammenslåingen, og om man graver dypere, viser tallene en enorm forskjell i virkelighetsoppfatning mellom ledelsen og de ansatte i klinikkene. På spørsmål om Oslo universitetssykehus vil oppnå de ambisjoner som ligger til grunn for sammenslåingen, gir ledelsen score 75 av 100, mens ansatte ved Akuttklinikken, Medisinsk klinikk, Hjerte-, lunge- og karklinikken kun gir 30 av 100 i score, altså under det halve. På spørsmålet om de føler seg inkludert i omstillingene, ga de ansatte på de nevnte klinikkene en score på under 36 av 100, mens ledelsen Hva er årsaken til det enorme gapet mellom ledelsen og de ansatte i troen på at omstillingen vil gå bra? Jeg vil tro den er minst todelt: På den ene siden var det for mye som ikke lå til rette for sammenslåingen, og dette ga dårlige forutsetninger. Det fantes f.eks. ikke samkjørte IKT-systemer, det ble også lagt opp til en enorm nedbemanning, og i tillegg var det beregnet store kutt i budsjettene på et tidlig stadium i prosessen. Dette har nok gjort at sammenslåingen ikke har gått smidig, og det har også gjort ansatte bekymret for om sammenslåingen kan gjennomføres så raskt uten at det går ut over pasientene. Når ansatte – med rette – er bekymret for pasientsikkerheten, vil naturligvis motstanden mot sammenslåingen øke. På den andre siden er sammenslåingen et prosjekt initiert og gjennomført av statsråden og departementet som eiere og styret og ledelsen i Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus. En omstilling som kommer ovenfra og ned – eller iallfall føles slik – er sjelden populær, dersom de ansatte ikke ser på det som høyst nødvendig. Når medarbeiderundersøkelsen i tillegg viser at de ansatte føler at de ikke er blitt inkludert i prosessen, ja, så er det kanskje oppskriften på en nedtur eller at det ikke går slik man hadde tenkt. Et todelt problem krever minst en todelt løsning. På den ene siden: Hvordan kan vi få systemene til å fungere, få riktig bemanning og opprettholde en god styring på økonomien gjennom hele omstillingsprosessen? omstillingsprosessen? Her har jeg lyst til å bidra. På den andre siden kan jeg også spørre: Hvordan kan vi få ledelsens klokkertro på at omstillingen vil gå bra, til å forplante seg i resten av helseforetaket? For å ta det siste først: Forrige uke kunne vi lese i Dagens Medisin at bare 18 av 59 somatiske avdelinger har en ledelse som er til altså at lederen har ansvar for personer og aktiviteter som befinner seg på flere steder. De ansatte fortviler over mangel på ledere som er fysisk til stede, og mener dette går ut over den daglige driften. Det kan føre til manglende effektivitet, manglende styring av økonomien og manglende involvering av de ansatte i pågående prosesser. Nettopp dette viser behov for det opposisjonen foreslo tidligere i høst, og som vi foreslår i et representantforslag som nå ligger til behandling i komiteen, nemlig økt stedlig ledelse på avdelingene. Jeg tror at dette kan løse noen av de påpekte problemene samt bedre arbeidsmiljøet og tryggheten blant de ansatte. Svikt i datasystemene har gjort at pasienter i en rekke byer på Sørlandet og Østlandet ikke ble behandlet i tide, eller ble «borte» i systemet. Flere ble ikke kalt inn til kontroll eller fikk ikke viktig informasjon. Investeringsnivået på IKT i det norske helsevesenet har ligget i underkant av investeringsnivået i sammenliknbare land. Dersom IKT-systemene svikter, vil det gi alvorlige følger for pasientene. Derfor la opposisjonspartiene på Stortinget frem et felles forslag om 10 mrd kr til en massiv satsning på IKT i hele Helse-Norge. Gode datasystemer hjelper gode leger og gode ansatte med å gi god behandling, noe som igjen bidrar til økt trygghet og velferd. Jeg vil derfor utfordre statsråden på disse to forslagene jeg her har vist til, som begge er å finne i representantforslaget som jeg refererte til tidligere. Vil statsråden ta imot invitasjonen fra opposisjonen til en felles dugnad om en massiv IKT-investering og økt stedlig ledelse? Til slutt vil jeg selvsagt òg vise til spørsmålet i interpellasjonen. Jeg har her gitt statsråden et enkelt, men viktig spørsmål, nærmest et ja/nei-spørsmål som jeg håper statsråden i sitt innlegg har anledning til å gi meg et konkret svar på og utdype noe nærmere: Er statsråden fornøyd med resultatene av sammenslåingen til Helse Sør-Øst? Det er

Det er de tre helseforetakene i hovedstadsområdet som vil få et negativt resultat. Sykehusene i Helse Sør-Øst har samlet sett hatt de korteste ventetidene i landet, og de skårer høyt på pasientsikkerhet. Der er Oslo universitetssykehus så langt best i landet. Samtidig står vi overfor store utfordringer. Den teknologiske utviklingen flytter grenser for hva vi kan behandle, og vi har endringer i demografi og sykdomsbilde. Samtidig er ressursene begrenset, når det gjelder økonomi, og ikke minst helsepersonell. Vi må stille spørsmål om hvorvidt vi bruker ressursene våre på en best mulig måte. Det er et viktig bakteppe for diskusjonene. Jeg mener at vi må være villige til å gjøre endringer for å bedre pasienttilbudet. I hele denne regjeringsperioden har det skjedd store endringer i sykehussektoren. Dette har vært viktig og riktig. Forrige uke fikk vi OECD-tall som bekrefter at vi i stor grad har lyktes i å bedre overlevelsen for pasienter med kreft, hjerneslag og hjerteinfarkt. Dette hadde ikke vært mulig uten omstillinger og endringer. Jeg mener at sammenslåingen av regionene var et riktig grep for å kunne håndtere utfordringene, i hovedstadsområdet og i Tidligere lå sykehusene i to ulike helseregioner, og mange like fag- og forskningsmiljø var lokalisert på flere steder. Det var bred enighet om at dette ikke var hensiktsmessig, verken med hensyn til kvalitet eller god ressursbruk. Fire sykehus ble slått sammen til Oslo universitetssykehus HF fra 1. januar 2009. OUS satte i gang et arbeid for å bedre oppgavefordelingen mellom sykehusene. Lokalsykehusfunksjonene skulle samles på De mer spesialiserte lands- og regionfunksjonene skulle samles på Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Aker sykehus skulle utvikles til en samhandlingsarena mellom sykehusene i hovedstadsområdet og Oslo kommune. OUS disponerer store ressurser, og det mener jeg er riktig – per i dag vel 17 000 årsverk og et budsjett på 17 mrd. kr. OUS har oppgaver innen pasientbehandling, opplæring og utdanning, og står for omtrent halvparten av all medisinsk forskning i Norge. De tilbyr nasjonale og regionale tjenester og har områdefunksjoner for 480 000 mennesker. OUS er også lokalsykehus for om lag 240 000 mennesker i Oslo. Omstillingene skal legge grunnlaget for å styrke pasienttilbudet og for langsiktig utvikling av helseforetaket. Kvaliteten og kapasiteten er blitt bedre på flere områder, mens andre områder henger noe etter. Det er selvfølgelig også utfordringer. Det er krevende å samle sterke fagmiljøer og forene ulike arbeidsmåter. Det er også krevende å tilrettelegge for dette teknologisk og fysisk. For mange ansatte innebærer det nytt arbeidssted eller endrede oppgaver. Tidligere hadde de fire sykehusene i stor grad valgt ulike IKT-løsninger, selv om sykehusene lå i samme geografiske De ansatte hadde også ulike lønns- og arbeidsbetingelser. Dette illustrerer at det er viktig å samordne sykehusene, men viser også utfordringene ved denne samordningen. Jeg forstår godt at dagens lønnsforskjeller mellom de ansatte ved OUS kan oppleves urettferdig. Dette er ikke særegent for OUS. Det er flere eksempler på at sammenslåinger, både offentlige og private, gir lønnsforskjeller etter sammenslåingen fordi de ansatte kommer fra virksomheter med ulike tariffavtaler. Partenes frie forhandlingsrett er et viktig element i norsk arbeidsliv. Derfor må OUS og arbeidsgiverforeningen Spekter finne løsninger på dette i forhandlinger med de ansattes organisasjoner. Det er meget uheldig at de fire sykehusene ikke har IKT-løsninger som kan kommunisere med hverandre på en god måte. Helse Sør-Øst har forsikret om at det nye styret og den nye ledelsen ved OUS arbeider for å sikre bedre tekniske løsninger. Det er riktig at OUS ikke har klart å tilpasse kostnadene til sin nye virkelighet. OUS fikk redusert budsjettet med 1,7 mrd. kr i 2011, med en tilsvarende økning av budsjettet til Ahus. Beløpet var omforent mellom de to helseforetakene. Det skulle ta høyde for tilpasninger i forbindelse med at lokalsykehusansvaret for om lag 160 000 mennesker ble overført til Akershus universitetssykehus ved årsskiftet. Ifølge Helse Sør-Øst RHF har arbeidet med bemanningsplaner ved OUS tatt lengre tid enn forutsatt. Dette er en viktig del av omstillingen og er en av årsakene til at OUS nå har utfordringer med å tilpasse driften og kostnadene til årets budsjettrammer. I 2011 har Helse RHF gitt OUS om lag 225 mill. kr som et ekstraordinært tilskudd. De har tillatt at OUS kan ha et merforbruk utover budsjettet på om lag 400 mill. kr knyttet til omstillingene. Situasjonen per oktober er at OUS forventer en overskridelse på om lag 500 mill. kr utover de 400 mill. kr. I perioden vil OUS bli tilført anslagsvis 3,6 mrd. kr i omstillingsmidler, dels som lån, dels som direkte tilskudd og dels som tillatelse til å gå med underskudd. Jeg ser at dette er nødvendig. Men utfordringene med helseforetakene i hovedstadsområdet løses ikke bare med mer penger. De må sette inn nødvendige tiltak for å tilpasse driften og kostnadene til budsjettrammene. Dette er et ledelsesansvar som styret og ledelsen ved OUS må håndtere i dialog med de ansatte. Helse Sør-Øst RHF har forsikret om at bemanningsplaner ved OUS skal være ferdigstilt innen utgangen av 2011, og da i samsvar med kravene til budsjettet for 2012. Det er uheldig at bemanningsplanene ikke var på plass i løpet av 2010, men jeg føler meg trygg på at styret og ledelsen ved OUS har fullt fokus på dette nå.

Jeg har også valgt å gjennomføre flere møter med de ansatte og deres organisasjoner. Jeg har forståelse for at mange opplever situasjonen som krevende. I tillegg til faglige og økonomiske utfordringer medfører en slik omstilling endrede lønns- og arbeidsvilkår og arbeidssted for mange. Omstillingene ved OUS er fremdeles i en tidlig fase. Jeg forventer at vanskelighetene gradvis vil ryddes av veien, og at resultatene vil komme etter hvert. Omstillingene er omfattende og består av mange ulike elementer. Det er ikke mulig å gjennomføre en risikoanalyse, f.eks., en gang for alle, som tar høyde for alle problemstillinger og hindringer som dukker opp i en så omfattende prosess. Jeg vil derfor følge med på at Oslo universitetssykehus løpende vurderer de videre stegene i omorganiseringen, med hensyn til både tempo og risikoanalyse.

for svaret så langt. Jeg opplever vel egentlig at statsråden stort sett er fornøyd, samtidig som hun påpeker at det er en krevende omstilling som foregår. Jeg tror alle i denne sal er innforstått med at det er svært krevende prosesser som pågår. Samtidig føler jeg nok at statsråden gjennom over halve innlegget forteller om prosessene og hvordan de er lagt til rette – det har vi lest i budsjettet også, faktabeskrivelser av prosessen og hvordan den har blitt organisert – men det var ikke akkurat det som var spørsmålet i interpellasjonsteksten. Det var om statsråden var fornøyd, gitt alle de problemene som nå er oppstått, og, som for så vidt statsråden også henviser til, kanskje de to største, etter min mening, IKT-systemer som nærmest er – hvis jeg har oppfattet det vi hører i Stortinget, riktig – brutt sammen. Statsråden nevner ikke spesifikt det vi hører, at man kanskje har tapt så mye som 130 mill. kr gjennom gjennom IKT-systemet, den kliniske arbeidsflaten, som jeg personlig allerede i desember 2010 grep fatt i og begynte å stille spørsmål om. Da var det allerede en del som så at dette var i ferd med å rakne. Når vi hører at de ansatte må inn og ut av ulike systemer, og at det går ut over ungdommer, som jeg nevnte, og ut over andre pasienter,

svar. Statsråden svarte meg ikke på spørsmålet om ledelse. Jeg tror det med ledelse er helt avgjørende. Jeg kunne godt tenkt meg å høre med statsråden om hun virkelig mener at en så stor prosess som vi nå gjennomfører på Oslo universitetssykehus, ikke nødvendigvis krever at lederne er til stede i avdelingen. For hvem andre enn ledelsen på alle nivåer i sykehusene skal kunne klare å motivere medarbeiderne, få med medarbeiderne, få med medarbeiderne på de enorme omstillingene? Vi hører om og leser i avisen at det faktisk er folk ansatt på universitetssykehuset, OUS, som ikke vet hvem den nærmeste lederen deres er. Det synes jeg er ganske oppsiktsvekkende. Et spørsmål om man måtte være fornøyd eller ikke, må jo besvares ut fra hvilke forventninger man har hatt til
Are Helseth

Man har sine bygninger, og man skal flytte om inne i disse bygningene. En stor andel av pasientene er flyttet over til et annet sykehus, og man må nedjustere bemanningen i tråd med det. I tillegg er det ulike teknologiske løsninger som skal sammen, og ikke alt har gått like enkelt, særlig ikke i det arbeidet som har hatt med klinisk arbeidsflate å gjøre. Derfor er det arbeidet nødt til å fortsette for å komme inn i et bedre spor.

når det gjelder røntgen, og man må også se på hvordan man kan forbedre de pasientadministrative systemene. Så var det et spørsmål om ledelse og om man måtte ha ledelse til stede. Det sier seg selv at i en organisasjon med 17 000 årsverk må det være ledelse på mange nivå, som jeg er helt enig i må være til stede og i god dialog med de ansatte. For hvis man skal få til denne omstillingen på en god måte, er vi helt avhengige av at de tillitsvalgte og ledelsen spiller sammen. Jeg gjentar gjerne det jeg sa i den første saken som var oppe i dag, at dette er en prosess som vi følger tett selvsagt gjør vi det – for vi må ikke glemme hva som var forutsetningen for hele denne omstillingsprosessen. Det var å få til bedre pasientbehandling, utnytte ressursene våre bedre – medisinsk utstyr, bygninger og alt det som kreves for å ha en helsetjeneste i toppklasse. Så har jeg lyst til å si at OECD-tallene som kom i forrige uke, også viser en annen ting at vi er det landet som bevilger desidert mest penger over de offentlige budsjettene til helse. Det påhviler oss et stort ansvar for å ha det beste helsevesenet som vi har mulighet til. Oslo universitetssykehus har vært og skal være et flaggskip i fremtiden.

og kom til at det ville være riktig å koordinere ressursene innen ett sykehus – Oslo universitetssykehus. Innen dette helseforetaket ville Rikshospitalet-delen få hovedansvaret for region- og landsfunksjoner, og Ullevål sykehus-delen ville få ansvaret for Representanten Dåvøy reiser avslutningsvis i interpellasjonsteksten spørsmål om det er grunn til å være fornøyd med resultatene av sammenslåingen av Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst. Siden dannelsen av Helse Sør-Øst fikk bred og uttalt politisk støtte og det ikke er tematisert å reversere dette isolert, forholder jeg meg her til Oslo Målene med Oslo universitetssykehus er svar på internasjonale trender i medisinsk kunnskap. Stor internasjonal forskningsaktivitet med landevinninger innen diagnostikk og behandling medfører økt spesialisering i sykehusene i alle vestlige land. Jeg har fulgt norske sykehus som behandler og forsker i 30 år. Dagens muligheter var helt utenkelige i mine første år, og – dette er et avgjørende poeng – utviklingen har ikke stoppet opp, tvert imot, den går videre i et raskere tempo enn før. Gitt dette, hvor rammevilkårene for fremskrittene kommer til oss fra andre land, fra Så må vi ha evner og en verdibase for å få dette til i Norge. Sentralt i verdigrunnlaget ligger at målet er bedre pasientbehandling, både nå og i årene som kommer. Lederskapets oppgave er å gjennomføre dette så faktabasert som mulig, med tung medvirkning fra ansatte, slik vi gjør det ellers i Norge og vet at dette bidrar til økt verdiskaping. Slik skal det også være når vi fornyer offentlig sektor. Endring møter vanligvis motstand. En del av jobben er å finne ut når motstanden er berettiget. Deretter er det en verdi i seg selv å stå i arbeidet når man møter vanskelige tider. Representanten Dåvøy spør om vi skal være fornøyd. Jeg mener svaret er ja når det gjelder mål og retning for å sikre tilbud og forskning av internasjonal kvalitet i en nær og langsiktig fremtid. Svaret er nei når det gjelder status i dag, særlig i forhold til alle ansatte som har ubesvarte spørsmål og opplever usikkerhet, samtidig som de strekker seg ekstra for å sikre sine pasienter. Men svaret på denne utfordringen kan ikke være å flykte. En politikk som tar til orde for å stoppe prosessen, er etter min vurdering ikke ansvarlig nok. En god skipsfører vil ikke forlate båten midt mellom England og Amerika, selv om det blåser opp til uvær. Det er uansvarlig. Løsningen er godt sjømannskap. Derfor: For Oslo universitetssykehus er det nå avgjørende og nødvendig med godt – og enda bedre – sjømannskap. Riktig kurs videre må legges og tilpasses båtens konstruksjon og styrke. Riktig maskinfart må velges, og hele mannskapet må mobiliseres. Ledelsen har et særlig ansvar for å få til et samarbeid med tillitsvalgte, med tillitsvalgte, vernetjeneste og brukerorganisasjoner, og denne deltakelsen og denne medvirkningen må være helt reell. For videre å holde oss til det faktabaserte: Mye er vanskelig, og mye oppleves som vanskelig, men samtidig er det i denne situasjonen fremgang for Oslo universitetssykehus på mange kvalitetsparametre, og mange deler av organisasjonen leverer bedre enn noen gang. For eksempel har transplantasjonsaktiviteten i denne perioden vært høyere enn noen gang tidligere. Neste taler er Per Arne Olsen, om at representanten Olsen får landkjenning. Siste innlegg ga et inntrykk av at Oslo universitetssykehus ikke hadde landkjenning. Spesialisthelsetjenesten har dessverre lenge vært preget av uro, sykehusskandaler, juks, økende ventelister og ventetider, og sist, men ikke minst har omstillingsprosessen ved Oslo universitetssykehus etter min oppfatning fremstått som helt ute av kontroll. Det eksisterer to diametralt motsatte virkelighetsoppfatninger av situasjonen – pasientene og deres organisasjoner, leger, sykepleiere, helsetilsyn og fylkeslegen på den ene siden og statsråden, helseforetakenes styre og ledelse på den andre – eller, sagt på en annen måte, de som er nær pasientene, og som har skoen på, på den ene siden og de som er lengst unna prosessen, på den andre. Da jeg selv har tilbrakt tid for bare 14 dager siden som pasient på Rikshospitalet, kan jeg underskrive på at forståelsen blant dem som jobber på gulvet, ikke er i tråd med den til ledelsen. De føler, akkurat som representanten Dåvøy var inne på, at det er meget langt fram

for at dette ville gå ut over pasientsikkerheten. Fremskrittspartiet har advart mot denne utviklingen lenge og tydelig. Selv om vi primært ønsker et annet finansierings- og organiseringssystem enn dagens system – et system der pengene følger hver enkelt pasient – og selv om dagens situasjon kunne vært unngått av regjeringen, tok Fremskrittspartiet et ansvar i revidert nasjonalbudsjett, hvor vi foreslo over en halv milliard kroner i omstillingsmidler til sykehus, inkludert OUS, slik at behandlingstilbudet og pasientsikkerheten ikke ble rammet. Det er faktisk viktigst å sette pasientene og sikkerheten for liv og helse først, og da kreves det handling og ikke skuldertrekk. Det er ingen partier i denne sal som er uenig i intensjonene til prosessen. Et moderne og effektivt sykehusvesen er en forutsetning, både for å få ned køene, for å få ned ventetidene samt for å møte morgendagens medisinske utfordringer. Pasientene skal altså ikke betale kostnaden ved så dårlig pasientbehandling at liv og helse kan gå tapt. Da vi hørte representanten Helseths analogi til sjømannslivet, og jeg kommer fra en så forsøker man å finne lunere farvann. Det hadde kanskje vært en idé i denne saken. Jeg kjenner ikke til noen store omstillingsprosesser i det private hvor man ikke først erkjenner at omstillingsprosessen faktisk koster penger, for deretter, i etterkant, å høste i form av bedre pasientsikkerhet og et mer effektivt helsevesen. Når statsråden og hennes statssekretær til det kjedsommelige viser til at 160 000 innbyggere er overført til Ahus, er det viktig å påpeke at prosjektet på Ahus ble nedjustert ganske solid før det i sin tid ble realisert. Det har resultert i at andre sykehus som skulle nedlegges, ikke er blitt nedlagt. Situasjonen for både Stensby og Ski har endret seg, fra mulig nedleggelse til opprettholdelse og utbygging. På tross av dette har Ahus altfor store problemer med korridorpasienter, noe som kan ha resultert i at pasienter har omkommet i korridoren, til tross for at statsråden har forsikret oss om at dette ikke skulle være en vedvarende situasjon. Når man er nødt til å drive et fullverdig sykehus med dertil hørende fagmiljøer og støttetjenester, i tillegg til sitt eget sykehus, som man må på Aker, og dette må drives på Ullevål, hvor man allerede er pålagt en del utbedringer, sier det seg selv at det er dyrt å drive Oslo universitetssykehus. En viktig årsak til at de i dag går med underskudd, er at de ikke har fått de rammevilkårene som er en forutsetning for å gjennomføre en vellykket omstillingsprosess.

uten at de tre trylleordene gjentar seg til stadighet, nemlig «jeg forutsetter at», «jeg legger til grunn at» og «jeg forsikrer meg om at», om enhver problemstilling som tas opp knyttet til denne saken. Sånn har det vært så lenge Stortinget har etterlyst utfordringer knyttet til denne omstillingen. I I forhold til den virkeligheten vi nå står i, vil jeg minne om det statsråden sa i Stortinget 10. juni 2011, da Stortinget hadde bedt om en redegjørelse om denne saken: «For å lykkes med omstillingen er det viktig at både eier og ledelse, og de ansatte, er kjent med, og er enige om, mål og rammebetingelser, og at vi holder fast på dette selv om vi møter hindringer underveis.» Videre:

regjeringens virkelighetsbeskrivelse i denne saken, utenom den øverste ledelsen i Helse Sør-Øst og litt av den øverste ledelsen ved Oslo universitetssykehus. Ellers er statsråden og regjeringen helt alene. Fylkeslegen, Arbeidstilsynet, pasientombudet, ansatte, pasientene og omgivelsene – alle andre oppfatter denne situasjonen annerledes. Det er ganske overraskende at statsråden da kun velger å lytte til den øverste ledelsen i Helse Sør-Øst, med tanke på hvor krevende denne omstillingsprosessen er. Det som overrasker, er at en tar alle de urovekkende signalene som kommer fra de ansatte, og plasserer dem i én bås, nemlig

om forhold som vil og kan gå ut over pasientene. Dette handler om to krevende endringer. Den ene er overflyttingen av pasientgrunnlag fra Oslo universitetssykehus til Ahus. Den andre er krevende samlinger av vesentlig virksomhet internt ved Oslo universitetssykehus. Å gjennomføre disse to prosessene samtidig, med det tempoet, er ekstremt krevende, og det burde ha vært mulig å se på tempoplanen, som også Høyre tok opp allerede 12. oktober 2010. Da sa statsråden i en interpellasjonsdebatt tilsvarende den som vi har i dag, at ifølge Helse Sør-Øst er tilpasset bemanning en identifisert risikofaktor i prosessen, og at en ser på pasientgrunnlaget og overflyttingen av ansatte fra Ahus til Oslo universitetssykehus. Hun sa videre: «Dette er tenkt gjort bl.a. gjennom å legge til rette for overflytting av bemanning fra Oslo universitetssykehus. Det har vært forsinkelser i denne prosessen, men det legges nå til grunn at det vil være nok søkere ved de utlyste stillingene ved Ahus.» Nøyaktig ett år og to dager svarer statsråden til representanten Afshan Rafiq at Helse Sør-Øst «har informert meg om at Ahus har hatt en krevende bemanningssituasjon». Og videre: «Dette har ført til at rekrutteringen av nytt personell ble forskjøvet fra årsskiftet 2010/2011 til en gradvis opptrapping i løpet av årets ti første måneder.» Pasientene ble flyttet over før Ahus hadde kapasitet til å ta seg av det nye

alle regjeringer, helseministre og tidligere storting som har fattet vedtak om at denne sammenslåingsprosessen skulle gjennomføres – og det er mange – har vært innforstått med at det ville bli krevende, både for de ansatte og for ledelsen, å sikre pasientbehandlingen i gjennomføringsprosessen. Jeg konstaterer at det fortsatt er bred enighet i Stortinget om at denne prosessen skal gjennomføres. Men så konstaterer jeg at opposisjonen nå har fremmet forslag om at vi skal trykke på pauseknappen, at vi skal vedta en stans i hele sammenslåingsprosessen, etter at den nå er igangsatt for fullt. Det er, med respekt å melde, et meget dårlig forslag. Det er grunn til å stille spørsmålet om opposisjonspartiene har oversikt over hvilke konsekvenser en slik stans vil få, f.eks. om den skulle vare et år eller lengre tid. Hvilke konsekvenser vil det få både for de ansatte og for hele prosessen, som er vedtatt av opptil flere storting? Har opposisjonen lagt inn kostnadene ved en slik stans? Jeg finner dem ikke i partienes alternative forslag til statsbudsjett. Det som imidlertid er grunnlaget for hele denne prosessen, og som er de overordnede politiske føringene for Stortinget, er at pasientene skal skjermes, pasientsikkerheten skal ivaretas, kvaliteten skal ivaretas, innspillene fra fylkeslegen i Oslo skal følges opp, og de ansatte skal ivaretas på en anstendig og god måte. Og ikke minst – det skal kontinuerlig legges til grunn en sikkerhets- og risikovurdering. Det betyr at helseministeren har de nødvendige fullmakter til å gjennomføre dette i det tempoet som anses forsvarlig. Det er også viktig at styret og ledelsen i helseforetaket etablerer gode samarbeidsarenaer med de ansatte, slik at prosessen kan gjennomføres på en god måte. Det er krevende, konstaterer jeg, men det er helt nødvendig for den videre prosessen. Jeg forventer at den nye styrelederen, den nye styrelederen, det nye styret og den nye direktøren gir dette høyeste prioritet. Jeg merket meg at helseministeren nå har møter med det regionale foretaket så ofte som hver 14. dag. Det forteller om tett oppfølging. La meg til slutt understreke at dette er kanskje det viktigste omstillingstiltaket vi gjennomfører i offentlig sektor. Det er svært viktig at det lykkes. Oslo universitetssykehus tilhører ikke bare hovedstaden, det tilhører hele landet. Det har svært viktige nasjonale funksjoner. Derfor forutsetter jeg at alle tilgjengelige virkemidler blir satt inn for å sikre at denne omstillingen kommer til å lykkes.

Den gongen fekk regjeringspartia støtte av Framstegspartiet og Høgre. Eg registrerer at i dag er det ingen parti som tek til orde for å reversera dette vedtaket. Så er det slik at omstillingsprosessen har medført mykje uro. Vi får veldig mange spørsmål. Det er frustrasjon i fagmiljøet, og det blir hevda at pasienttryggleiken er trua. Dette er alvorlege tilbakemeldingar. Det er òg eit lite paradoks i og med at noko av grunnlaget for vedtaket var at ein skulle styrkja pasienttryggleiken. I dag har helsestatsråden gjeve utfyllande svar om korleis omstillingsprosessen blir følgd opp på tett vis, i tråd med det som føretakslova legg opp til at ein skal styra. Eg er einig med statsråden i at det er krevjande å samla sterke fagmiljø og ulike arbeidsmåtar og kulturar. Slike store omstillingsprosessar er jo krevjande uansett. Men helsevesenet er ikkje det enklaste å omstilla. Det er komplekse system. Det er kunnskapsbedrifter som ikkje toler ei tillitskrise, at omorganiseringa blir mislykka eller å få sterke riper i lakken. Eg er òg einig med statsråden i at det er beklageleg at den IKT-satsinga som ein brukte 160 mill. kr på, måtte skrinleggjast, og det er klart at dette har Men eg trur heller ikkje at utfordringane med omstillingane i hovudstadsområdet blir løyste med meir pengar. Representanten Laila Dåvøy har eit godt innspel i sitt innlegg når ho snakkar om stadleg leiing, ei leiing som tek ansvar for dagleg drift, budsjettansvar og personalansvar. Verken dagleg drift eller arbeid for ønskt omstilling trur eg vil fungera på ein god måte utan ein leiar leiar som fysisk er til stades på arbeidsplassen. Eg er òg glad for at statsråden i innlegget i dag tek opp at ein organisasjon med 17 000 tilsette som skal omstillast, krev at leiinga er til stades i organisasjonen. Det er òg mi erfaring elles i landet at sjukehusarbeidarar etterlyser Mange meiner det er for langt fram til sjefen. Eg synest det er positivt det som skjer i føretaket Vestre Viken. Dei har nettopp innført stadleg leiing på sjukehusa sine i dei omstillingsutfordringane som er der. Dersom ein samanliknar med skular, er sjukehus/helsevesen i ei særstilling. Når det gjeld skular, hindrar opplæringslova at ein har ein felles rektor, sjølv om det berre er og det er små skular. Føretakslova set ingen slike grenser. Å tola ei stor omstilling i ein organisasjon har samanheng med kor solid organisasjonen er styrt på førehand, eller sagt på ein annan måte: Kor solid organisasjonen er, kjem til syne i omstillingsprosessar. Derfor kan problema ved omstillingane

og ein må gjera omstillingsprosessane i eit Det var befriende å høre representanten Kjersti Toppe, for til å komme fra et regjeringsparti synes jeg hun hadde ganske mange kritiske merknader som de som kom fra tilsvarende parti før henne, kunne ha godt av å høre. Det er spesielt å høre både statsråden og representanter for posisjonen dagens situasjon ved Oslo universitetssykehus. Det har vært brukt mange metaforer i denne debatten, men det er vel i hvert fall på tide at man ser at kart og terreng ikke lenger stemmer – selv om man er statsråd. Alle de tilsynsmyndighetene som uttaler seg, er gjennomgående sterkt og når de får svar, er det jo ikke svar – det er tilbakemeldinger som gir grunnlag for nye spørsmål, fordi det er utilfredsstillende det som kommer fra ledelsen. Hva er det som er forholdet? Det er ikke at opposisjonen trykker på noen pauseknapp – det er det ingen som har foreslått. Men man må justere kursen når situasjonen er blitt som den er. Forholdet er vel at det Siri Hatlen sa for et halvt år siden, er realiteten. Med de rammebetingelsene som nå ligger fra flertallet, er det ikke grunnlag for å kunne gjennomføre denne omstillingen etter det som var forutsetningen. Det vender flertallet det døve øret til, og da får man også ta konsekvensene. For et par måneder siden var jeg i debatt med den nye styrelederen for Oslo universitetssykehus og statssekretæren. Hva var da beskjeden? Jo, det første og det viktigste man skulle få gjort, var å få ansatt ny administrerende direktør. Det var av største viktighet. Hva skjedde på sist styremøte i Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst? – Utsatt, ikke grunnlag for å ansette noen ny administrerende direktør. Så spørsmålet er: Hva er det man bruker disse 14 dagene med oppfølgingsmøter til, når man stedlig øverste toppledelse ved Oslo universitetssykehus? Så er det snakk om Ahus. Hvis man er interessert i å få en situasjonsbeskrivelse av hvordan denne omstillingsprosessen har virket for dem som faktisk blir berørt av den, nemlig pasientene i de bydelene i Oslo som vi snakker om og som ble overført fra Aker til

motstand mot omstilling. Ja, selvfølgelig er det også det, men det er også tunge, faglige innspill som man burde bruke tid på. Jeg hørte statsrådens innlegg: Det er mye god beskrivelse. Ordet «krevende» ble brukt utrolig mange ganger. Det var krevende for de ansatte, det var krevende for ledelsen, det var en krevende omstilling. Ja, det er også én ting til som er krevende, og det er å ha politisk mot til å justere kursen når man ser at man er på feil kurs. Det er krevende, men det hadde omstillingen, pasientene og de ansatte

bare skryter av én ting, og det er at det brukes mest penger. Jeg mener at man må slutte å skryte av at man er den som bruker mest penger av alle, når kritikken handler om hvordan man bruker pengene. Det å være en god sjef – om det er i store eller i små strukturer, om det er det å være statsråd eller det å være en liten bedriftsleder – dreier seg ikke bare om å holde orden i linjene og ha gode rapporteringsrutiner. Det dreier seg også om å være lyttende til hva som skjer i egen organisasjon, ta opp i seg bekymringer og skape entusiasme knyttet til det prosjektet man holder på med. Her må det vel innrømmes at regjeringa har noen svakheter. svakheter. Det kan godt hende de har orden i linjene, det kan godt hende de har gode rapporteringsrutiner, men det skorter på noe når det gjelder de andre delene av det som heter god ledelse. Det sies at man ikke bare skal ha et grunnsyn som holder i bunn og grunn, men at man også skal ha et gangsyn som holder fra gang til gang. Her er det klart at statsråden ikke har gått mye i gangene og snakket med folk. Når representanten Toppe sier at man ikke tåler en tillitskrise et slikt prosjekt, begynner vi å nærme oss det veldig. Det holder på å utvikle seg en stor tillitskrise i egen organisasjon knyttet til den omstillinga som skjer, og måten det skjer på. Jeg har bare 3 minutter igjen. Jeg har lyst til å løfte tre momenter. Det ene har mange løftet. Det kalles IKT-satsing. Mitt spørsmål er om statsråden er trygg på at den blunderen man gikk på med såkalt klinisk flate prosjekter, ikke skal skje igjen. den blunderen man gikk på med såkalt klinisk flate prosjekter, ikke skal skje igjen. Disse sykehusene ligger veldig nært de fremste kompetansemiljøene våre når det gjelder IKT innenfor universitets- og høyskolesektoren, og alle som jobber der med så store prosjekter, er klinkende klare på at den innfallsvinkelen som ble valgt, er helt feil. Det å tro at du skal lage ferdige

Venstre har to bekymringer som råder overfor grupper jeg tror vi ikke har sett representert, verken når det skal gås store fakkeltog i byen, eller når direktørene setter sammen sine staber. Og vi får stadig vekk varsler om store kutt innenfor rus og innenfor psykiatri. Det er sengeplasser som forsvinner i tur og orden, og det er er. Jeg har mange ganger fra denne talerstolen tatt opp med statsråden at vi var bekymret for overføringa til Ahus, ikke på grunn av at vi var bekymret for og hadde nostalgi knyttet til husene på Aker, men vi var bekymret for den spesielle gruppa man overfører til et sykehus som stort sett er laget for å operere folk, når vi vet at den befolkningsgruppa som har mest trøbbel, er innenfor rus og psykiatri. Nå ser vi at det vi advarte mot for flere år siden, er i ferd med å slå ut i antall sengeplasser og i kutt på de områdene. Vi tror heller ikke at de er representert rundt direktørens bord, og de er heller ikke representert når faklene i fakkeltogene tennes. Det siste momentet er den enorme veksten i administrasjonen i slike prosesser. Hvis ikke noen henger over en slik prosess

Når en diskuterer sykehusene i Oslo, mener jeg at en ikke kan la være å trekke inn resten av landet. Omorganiseringen i Oslo og de strukturendringene som skjer der, har også sammenheng med det som skjer landet. Når det gjelder finansiering av helseforetakene, vil jeg bare si at det er denne regjeringen som har gjort det mulig for dem å få til en god fordeling internt mellom helseforetakene, og også mellom de forskjellige helseregionene. Den forrige regjeringen gjorde ikke det. Når jeg tenker politisk, så ser jeg at det er forskjell i retorikken mellom Kristelig Folkeparti og til dels Høyre og Fremskrittspartiet. Slik jeg har opplevd det her, svartmaler Høyre og Fremskrittspartiet situasjonen. Spesielt peker Fremskrittspartiet på to retninger. Det er at enten er en på pasientens side, eller så er en på helseministers. Det blir altfor enkelt i denne situasjonen. Her er det så mange nyanser, og det er så mange viktige problemstillinger som krever en bedre debatt, Det er sagt og brukt bilder for å forklare hvor vi er i dette landskapet, eller på denne sjøen. Høyre mente at vi kjørte i tåke. Da er det i hvert fall slik at i tåke kan en komme framover, men slår en full retrett, kommer en ikke noen vei. Det opplever jeg at Høyre og Fremskrittspartiet ønsker. Slik jeg ser det, vil de gå baklengs inn i framtida. framtida. Framtida i helsesektoren er omstilling. Framtida i helsesektoren er en rettferdig fordeling av penger. Trine Skei Grande trakk fram de pasientgruppene som hun mente har store utfordringer – både i helsetjenesten nå og ikke minst tidligere. Hvis vi skal klare å løfte de pasientgruppene som trenger våre penger fra fellesskapet mest,

– stedlig ledelse. På Sørlandet sykehus har de gjort litt av hvert. De har noen avdelinger der de har stedlig ledelse, og noen avdelinger der de har tverrgående ledelse mellom sykehusene. Jeg tror det viktigste er at de får gode ledere. Da kan de ha forskjellige variasjoner i ledelsesstrukturen, men jeg er redd for at statsråden skal begynne å bestemme hva slags ledelsesstruktur en skal ha helt ut i de ytterste leddene. Jeg tror det må være så mye rom for ledelsesfaget, kreativiteten, entusiasmen og engasjementet ute at en kan finne løsninger på den enkelte arbeidsplass. Det det må være viktig å gi signaler om, er innholdet i tjenesten – hvordan en skal møte

Vi kan ikke stoppe. På Sørlandet har vi hatt store og vanskelige omstillinger i helsesektoren. Vi har måttet foreta dem. Vi hadde også stor motstand, og vi har stor motstand. Det er ikke sant at det bare er fordi folk ikke vil, for det har med reelle problemstillinger å gjøre – knyttet til opplevelse av kvalitet, opplevelse av hvordan en kan utvikle yrket sitt til beste for brukerne. brukerne. Det vi er redde for, er at hvis ikke omstillingen ved Oslo-sykehusene fortsetter, vil det få ringvirkninger for alle de andre helseforetakene i Helse Sør-Øst, som faktisk har gjort en kjempejobb, og som har stått på for å få det til innenfor de etablerte rammene. Derfor vil jeg bruke denne anledningen til å si at at det å se Oslo isolert, uten å kunne ta inn over seg argumenter og debatt som viser konsekvensene av dette i de andre helseforetakene, synes jeg det er viktig å få gitt en tilbakemelding om. Jeg vil også takke representanten Dåvøy, som reiser denne problemstillingen. Jeg tror det er

– og tør å si – at det er en tillitskrise mellom ledelse og tillitsvalgte om prosessen i Oslo-sykehusene. Det var faktisk en viktig erkjennelse. Så om ikke statsråden vil lytte til opposisjonen, bør hun i hvert fall lytte til den beskrivelsen og de bekymringene som representanten Toppe fremførte. Hun har tydeligvis mer kontakt med den virkelige verden. Når det gjelder representanten Kari Henriksen, prøver hun å fremstille det som om opposisjonen er imot omstillingsprosessen. Nei, det er vi ikke. Vi er for noe som vi mener er en helt nødvendig omstilling. Det er tempoet vi bekymrer oss for, ikke minst på bakgrunn av alle de bekymringsmeldingene som kommer inn til oss – den tillitskrisen som har oppstått mellom de tillitsvalgte og ledelsen på sykehusene, og som også fylkeslegen og Helsetilsynet har påpekt og mener er alvorlig. Den omstillingen som nå skjer ved Oslo universitetssykehus, gjelder for så vidt også Ahus – og har også fått konsekvenser for det sykehuset og Mange er nå utrygge på situasjonen, fordi det i den senere tiden er kommet til dels alvorlige bekymringsmeldinger fra leger, sykepleiere og andre ansatte, og fra pasienter som sogner til Ahus. Også fylkeslegen har kommet med en sterk bekymring. bekymring. Lokalsykehusansvaret for Alna bydel i Oslo og for Follo-kommunene ble bl.a. overført til Ahus ved årsskiftet. Dette har økt pasientgrunnlaget for Ahus med 160 000. I tillegg er Ahus fra før lokalsykehus for hele Romerike og Rømskog i Østfold og har bortimot 500 000 mennesker som

og de sier at det klarer de ikke å unngå uten å nedbemanne, til tross for at de har for få folk fra før. Det skal ikke så mye innsikt til i hvordan helsevesenet fungerer, for å skjønne at dette kan gå ut over tilbudet og Jeg fikk inntrykk av at de fleste fra posisjonspartiene og statsråden som har hatt ordet her, er ganske fornøyd med hele prosessen. Det står i ganske sterk kontrast til det som leger, sykepleiere og andre ansatte forteller oss. Så det virker som det er en stor avstand når det gjelder virkelighetsoppfatningen. I tillegg til det jeg har nevnt, har også Arbeidstilsynet gjentatte ganger kommet med pålegg om å gjenopprette balansen mellom oppgaver og ressurser. Det har vært gjentatte brudd på arbeidsmiljøloven, som også har resultert i en politianmeldelse ved Ahus. Det er over 20 000 brudd på arbeidsmiljøloven, og pasientombudet i Akershus er også sterkt bekymret.

jeg har inntrykk av at hun nå har. Jeg tror det er veldig viktig for at en skal komme videre. Det er viktig at man får gjenopprettet en tillit mellom ledelse og de tillitsvalgte på sykehuset for å få denne prosessen på skinner igjen. Da er det mulig at man må kjøre litt roligere for å få det

særlig i Follo-regionen – som er bekymret for sykehussituasjonen for befolkningen i denne delen av fylket, som ble flyttet over 1. januar i år. Senest i et brev i forrige uke skrev en borger til meg: «Jeg tillater meg – som Follo-borger – å be deg arbeide

Høyre har i likhet med alle partiene på Stortinget støttet også denne delen av hovedstadsprosessen, nemlig overføringen av pasienter fra noen bydeler i Oslo og Follo fra nedslitte Aker til nye Ahus. Men vi tok i august og oktober 2010 opp spørsmål om overføringen gikk for fort, og om det var tilstrekkelig kapasitet på Ahus til å ta imot alle de nye pasientene. Analyser fra Ahus selv viste betydelig risiko ved overføringen. Ja, sammenslåingen i hovedstadsprosessen innebar meget krevende omstillinger for sykehusene i regionen. Bare Ahus fikk økt sitt opptaksområde med over 30 pst. Tillitsvalgte ved Ahus har nå skrevet bekymringsbrev der de påpeker dokumentert overbelegg, et høyt antall korridorpasienter, stor arbeidsbelastning og manglende motivasjon hos de ansatte. De mener det mangler 70–100 sengeplasser ved sykehuset på Ahus, og at dette går ut over pasientsikkerheten. Den 20. august 2010 sendte jeg et skriftlig spørsmål til helseministeren om forholdene ved Ahus etter vedtaket om overflytting av de 160 000 borgerne opptaksområde. I sitt svar til meg 31. august sier statsråden: «I utgangspunktet er det akkurat like mange pasienter som skal ha det samme sykehustilbudet både før og etter denne overflyttingen. Det betyr at det innenfor hovedstadsområdet skal finnes tilstrekkelig med godt kvalifiserte leger, sykepleiere og annet personell «Det er en klar forutsetning for prosessen med å overføre et større pasientgrunnlag fra Oslo og Follo at Ahus har nok medarbeidere på plass til å ivareta pasientene på en god måte. Jeg har sagt klart fra om at ingen pasienter skal flyttes fra et sykehus til et annet før vi er trygge på at de er sikret et like godt eller bedre

flere hundre millioner i 2012 og da vil komme til å måtte si opp fagfolk igjen? Så helt til slutt: Kari Henriksen trenger en ny ordliste. Hun mener at «bekymring» betyr «svartmaling». Hun mener at ønsket om å gjøre ting bedre er å gå baklengs inn i fremtiden. Hun bør få en ny til jul. Det å gjennomføre så store omstillinger som det man her har lagt opp til, er å gjennomføre så store omstillinger som det man her har lagt opp til, er ekstremt krevende. Det mener jeg at også denne historien har vist. Det som er en fordel med denne omstillingen, er at det er et ganske stort flertall bak målet for omstillingen. Det er et godt utgangspunkt når det er så mange politiske partier som mener at målet for omstillingen er dit vi skal. Jeg synes også det er gledelig å høre at representanten Syversen i dag avviser at man snakker om noen pauseknapp, men om justeringer. Hva står vi igjen med da? Jo, da står vi igjen med en realitetsdiskusjon mellom posisjon og opposisjon, som jeg mener det er mulig å løse, fordi det er relativt små forskjeller i det som er foreslått i Så det jeg opplever når jeg leser vårt budsjett, og når jeg leser opposisjonens budsjettet, med unntak av ett parti, er at det er fullt mulig å finne sammen i en felles strategi videre for veldig mye av det man her diskuterer. Og da tror jeg at vi politisk kanskje bør ta en liten «time out» og justere kursen for hvordan vi retorisk skal diskutere denne saken. det som vi alle sammen er med på å bidra til, er å skape en unødvendig usikkerhet der ute. Media kommer til – hver eneste dag, hvis de har anledning til det – å finne noen pasienter som ikke får den hjelpen de mener de skulle hatt akkurat nå. Når du da blander sammen det bildet med en stor debatt om en krevende omstilling, og du har ledelsesproblematikk mot arbeidstakerproblematikk – som det er i alle omstillinger – blir bildet ute veldig rotete. Jeg mener det påligger parlamentet et stort ansvar for å sørge for at man ikke skaper unødig frykt. Det sier jeg uten at jeg peker på noen, verken på posisjon eller opposisjon. Men når man ser på de alternative budsjettene opp mot posisjonsbudsjettet, mener jeg at dette parlamentet mange andre ganger har vist at man klarer å finne sammen, selv med betydelig dette. Det er heller ikke slik at posisjonen har sagt at vi ikke skal justere kursen underveis – tvert imot, det har jo selvfølgelig vært påpekt gang på gang at i en så stor omstilling må man justere kursen underveis. Men man kan ikke skape en usikkerhet om man skal gjennomføre den eller ikke, for da setter man alt på spill, eller, som noen sa, da bakker man båten i stedet for at den går framover. Jeg eller, som noen sa, da bakker man båten i stedet for at den går framover. Jeg håper at vi framover klarer å ha en litt annen tone i denne debatten, for jeg mener at de som faktisk står i dette i hverdagen hver eneste dag, fortjener det. Når man måler resultatet av det norske helsevesenet, også for Oslo universitetssykehus, gjennom denne perioden, er tallene ganske gode. Det er ikke sånn at tallene går nedover på kvalitet, men det er det ingen ute som tror når jeg møter dem nå. Alle tror at dette er helt krise, og at man helst bør behandles utenfor Oslo nå. Det er ganske skremmende – i og med at vi har ganske mye spesialisert tjeneste ved Oslo universitetssykehus – at man er med på å skape et bilde av den mest spesialiserte behandlingen vi kan gi, slik at pasienter nå begynner å bli redde for å dra til de sykehusene. Så jeg hadde håpet på en viss ydmykhet fra opposisjonen når flere fra posisjonen har sagt at dette er krevende. Vi skjønnmaler ingen ting. Vi sier at det er krevende, vi har sagt det gjentatte ganger, og det kommer til å være krevende helt til vi når målet. Sånn er det med omstillinger. Det er en naturlig dynamikk fordi man vet hva man har, men ikke helt vet man får. Dette har det vært forsket på gjennom en rekke omstillinger i både inn- og utland, og resultatet er at dette skaper denne dynamikken. Og når det er på helsefeltet, hvor man får en følelse av liv og helse, og det naturlig nok skapes bekymring fordi du i utgangspunktet er litt redd når du har problemer med helsen din, mener jeg at vi må tenke oss om i forhold til hvilken ordbruk vi bruker i en sånn debatt. Mitt enkle budskap er at vi kanskje skal ta oss en «time out» politisk og vurdere hvilken språkbruk vi bruker i denne debatten, for jeg opplever at avstanden ikke er veldig stor mellom de fleste i opposisjon og også i posisjon.

debatten vi har hatt i dag, mer reflekterer den tilbakemeldingen man har fått fra både brukere og ansatte og mellomledere og ledelse i de berørte institusjonene. Parlamentet hadde ikke gjort arbeidet sitt hvis man ikke også hadde fått en dialog med ansvarlig statsråd om hvordan omstillingen gikk, og det er det vi i all beskjedenhet bruker tiden til her.

om ikke å sabotere, så i hvert fall å løpe foran når det er endringer som skal gjøres. Det er fordi det ofte kan være lettere å sette seg ned og håpe at dette går over, inntil man forstår at hvis man skal videre, må man faktisk gjøre omstillinger. Så har jeg lyst til – siden det har vært antydet fra noen talere – å si at Høyre er veldig for omstilling. Det vi kanskje kan vurdere her, er om vi skal ha mindre rigide sentralstyrte systemer også innenfor helsevesenet, som gjør at det likner litt mer på det vanlige bedriftslivet. I næringslivet er det sånn at bedriftene omstiller seg 10 pst. hvert år, og dermed unngår de de store sammenbruddene hvert tiende år. I offentlig sektor er det omvendt. Man har veldig statiske organisasjoner som så slites ned, til noen ser at dette fungerer ikke, og så gjør man store, nye grep med betydelige omstillingskostnader. med betydelige omstillingskostnader. Det som er en del av læringen i dette, er at selv når vi erkjenner de politiske problemene med å endre store organisasjoner, blir det en del innsikt tilbake, som man kan spørre om statsråden har tatt for lett på. For det første når man gjør organisasjonsendringer sammen med bygningsendringer, bør disse faktisk knyttes sammen. Hvis man inn i gammel bygningsmasse i påvente av at man skal gjøre store påbygninger, er det den gamle organisasjonen som faktisk må omstilles to ganger. Det er én innsikt. En annen er at hvis man under omorganiseringen forlanger at man skal produsere like mye, må det i en overgang brukes noe mer penger for å skape rom til omstillingskostnadene, som jo per definisjon skal være en engangsutgift. De kan tas ned igjen senere. Det er jo det vi forlanger av helsevesenet. Vi forlanger ikke mindre produksjon mens ombyggingen pågår. En tredje erfaring er at organisasjonene etter omstilling må understøttes av IKT-løsninger som bygges ut fra den verdikjeden som alle produsenter eller tjenesteytere har i enhver organisasjon. organisasjon. Den fjerde erfaringen er at hvis man ikke har de ressursene som skal til for å lage den pukkelen som gjør at man får en fornuftig omstilling med akseptable omstillingsubehag, må man faktisk av og til gjøre noen kompromisser også når det gjelder fremdrift. Hvis man kjører på og prøver å undertrykke om at dette ikke går så bra, får man en avstand i virkelighetsbildet som kan legge grunnlag for noe som er enda verre, nemlig at det blir mistillit fra dem som skal operere systemet på vegne av de folkevalgte og statsråden, som – med all respekt – heller ikke kan være Jeg lot meg inspirere av dette båtbildet, dette skipet som er i storm i Atlanteren. Det er jo gjerne slik at hvis det er storm, er det ikke tåke. Men jeg tror nok representanten Høies bilde var mer betegnende: Man vet ikke helt hvor man skal, man har ikke noe klart fremtidsbilde som man har klart å formidle til de ansatte om at det blir bedre. Så er det selvfølgelig en haltende side ved den metaforen. Kapteinen har jo forlatt

på nytt. Så nettopp sett ut fra maritime synsvinkler står det ikke helt bra til med omstillingen ved Oslo universitetssykehus. Jeg har lyst til å takke alle som har deltatt i debatten. Det har virkelig vært et stort engasjement. Det viser at denne interpellasjonen kanskje var nødvendig akkurat nå. Vi som er i Stortinget, er også frustrerte over at virkelighetsoppfatningen er så forskjellig. Jeg har lyst til å påpeke at de ansatte gjør en at de er midt inne i en krevende omstilling. Det er ingen her i salen – verken i opposisjonen eller i regjeringspartiene – som er i tvil om det. Men vi må ta de ansatte på alvor. Vi vet at de vil det beste for pasientene uansett. Det er de som roper varsku til oss, de og pasientene, fordi de faktisk ikke blir hørt i sykehusene, av ledelsen og av politikerne som er satt til å styre. noen kommentarer til en del av innleggene her. Representanten Helseth sier at vi er enige om målsettingen og heiser den frem igjen. Ingen er uenig i det. Men Helseth var også ærlig og svarte nei på spørsmålet om han var fornøyd så langt. Og så sier han at vi ikke kan flykte. Nei, det gjør vi heller ikke. Derfor har nå jeg i all beskjedenhet i denne interpellasjonen prøvd å heise frem to ting som vi faktisk kunne ha gjort noe med: å se på IKT-løsningen og bedre den stedlige ledelsen. Både statsråden og Helseth har i sine innlegg påpekt ledelsens Men det må jo være en stedlig ledelse der. De må jo være til stede hvis de skal klare å bidra fra dag til dag. Så sier statsråden om IKT at man må forbedre de pasientadministrative systemene. Da høres det ut som om man har et greit system som funker og går hvis man bare endrer litt på det, eller forbedrer det lite grann. Men sannheten er jo at det nye systemet man skulle kjøpe, kollapset. kunne iallfall ikke brukes. Hva skjer nå? Skal prosessen bare gå videre som om ingen ting har skjedd, når man faktisk ikke kan snakke sammen internt i de sykehusene som er slått sammen? Det skjønner ikke jeg. Så er det ingen her som har sagt at vi skal stoppe prosessen – absolutt ingen. Det er en debatt på siden av det denne interpellasjonen handler om. Den handler ikke om det i det hele tatt. Vi snakker om tempoet, og at det faktisk er noen forhold vi må gå inn og se på. Det synes jeg at man godt kunne ha innrømmet. Jeg håper at statsråden kanskje sier at man bør gjøre det. Virkelighetsforståelsen er forskjellig, men hva om opposisjonen, hva om de ansatte, hva om Helsetilsynet, hva om pasientgrupper faktisk har rett, iallfall i noe av dette? Kanskje statsråden kunne finne ut hva vi iallfall er enige om, og har rett i. Det har vært en interessant debatt. Det som i hvert fall

sagt, at det ikke har vært satt noen sluttdato for når omstillingene skal være ferdig. Dette skal ikke gå på bekostning av pasientsikkerheten, og man må til enhver tid, når man er ved en milepæl i omstillingsprosessen, gjøre risikovurderinger og vurderinger av om man er på rett vei. Det er ingen uenighet i det. Jeg mener at jeg har prøvd

lytte til alle. Jeg er derfor veldig glad for at det nye styret tar dialogen med de tillitsvalgte så alvorlig som de gjør, og jeg har tillit til at de får dette inn på et bedre spor. Det er jo ikke slik at jeg ikke leser eller ikke hører eller ikke ser. Så til en del utsagn som har kommet. Det aller, aller viktigste her er at Det aller, aller viktigste her er at pasientsikkerheten blir ivaretatt i en sånn omstilling som foregår nå. Dette er noe som vi følger veldig nøye med på. Derfor er det viktig at fylkeslegene er inne og stiller sine spørsmål, gjør sine rapporteringer og

spesielt pasientsikkerheten som vi har hatt så fokus på, og som vi måler, sammenligner og ser på. Men vi følger veldig nøye med, for det er klart at det er en stor og omfattende prosess. Så må jeg si til Michael Tetzschner, som jeg lyttet med interesse til, at det er jo nettopp på grunn av dette med økonomien at det er lagt inn 625 mill. kr i direkte omstillingsmidler, og tillatelse til å gå med underskudd, for at man skal kunne klare det. Det har, dessverre, heller ikke vært nok denne gangen, men det er i hvert fall tatt høyde for det. Behandlingen av sak nr. 6 er dermed avsluttet. Å diskutere helsepolitikk kan gjøres fra forskjellige perspektiver. Ett perspektiv er de store sammenslåingene som vi nettopp har diskutert, et annet perspektiv er å se det

Ja, det er altså sånn at en overlege, herr Saugstad, har uttalt at behandlingen av de dårligste ME-pasientene er vår tids lobotomi. Det er såpass dårlig det står til med vår behandling av disse pasientene. Det er derfor jeg har lyst til å bruke litt tid på å snakke om bakgrunnen for mitt spørsmål. Jeg har lyst til å konstatere at jeg med glede i dag leser i avisen at regjeringen vil bevilge ekstra penger ME-forskning, og at man også nå skjærer igjennom og etablerer et senter for dette. Men det er også utrolig viktig hva dette senteret får med seg av føring, og hvordan vi jobber videre med spørsmålene knyttet til både ME og fibromyalgi. Det er nemlig en historie uten så mange gleder. Hvis jeg får lov til å anbefale lesestoff i julen – det blir ikke oppmuntrende julelesning, det er forstemmende – så er det å lese boken av Jørgen Jelstad, De er en bok som beskriver den forskningsmessige utviklingen, kanskje hvorfor det sporet av feil, og med mange enkelthistorier. Det er et kampskrift, men det er viktig, tror jeg, for alle som driver med helsepolitikk, å ta inn over seg hvordan prestisjen kan sørge for at helsegevinsten ikke står i fokus. Det er historier om arroganse i helsevesenet, Det er historier om arroganse i helsevesenet, det er historier om omsorgssvikt i førstelinjetjenesten, og det er historier om mennesker som møter et velferdssamfunn og et hjelpetilbud gjennom Nav uten forståelse. Det har vært påfallende lite forskningsprioritering på en omfattende sykdom, som anslagsvis 9 000–18 000 mennesker i Norge har,

fikk et stempel av mange i helsevesenet som har skjøvet det vekk, til tross for at det nå er veldig klart at det også har somatiske årsaker og grunner. Når Fluge og Mella har uttalt seg, har de bl.a. sagt at det som kanskje sjokkerte dem mest, er at en del av de pasientene som de fikk inn til seg når de skulle drive forsøk, var sykere enn mange av de sykeste kreftpasientene de tidligere hadde sett. Likevel har de vært holdt i skjul, de har vært vekk, de har ikke opplevd å få hjelp. Det er også forstemmende å lese den SINTEF-rapporten som ble offentliggjort tidligere i år, som fire år etter den forrige SINTEF-rapporten om omsorgstilbudet til dem som har ME, konkluderer med nesten det samme som det man sa i 2007: Det er mangel på egnede behandlings-, rehabiliterings- og omsorgstilbud for gruppen, det mangler kunnskap i sosial-, velferds- og helsetjenesten, få kommuner har tilbud som ivaretar behovene, flere helseforetak har ingen spesifikke helsetilbud til denne gruppen, og det er mangel på kompetanse og mangel på tilbud til barn og unge. Det ligger altså barn på uten at de verken har mulighet til å følge utdanning eller gjøre noe av det barn skal gjøre, og heller ikke opplever å få tilbud. Disse konklusjonene kom også i rapporten fra 2007. Det har altså ikke skjedd noen bedring fra 2007 til 2011. Det burde ha skjedd. Hva er det som har gått galt? Dette er en sykdom som ikke har fått status, det er en sykdom som har blitt stemplet, det er en sykdom som fordi man ikke vet årsaken til den, ikke har kommet igjennom, og som er blitt såpass kontroversiell i årsaksforklaringene på hva det kan være, at mange av forskningsmiljøene rett og slett har skydd å delta i utviklingen av tilbud og hjelp. Det er arroganse. Senest for to dager siden fikk jeg brev fra en familie som nå opplevde at de ble fratatt pleiepenger av Nav, til tross for at de har et barn som ligger i en seng og trenger pleie, fordi en ikke opplever at dette kvalifiserer for pleiepengesystemet. Hva skal vi gjøre for å komme videre? Det er bra at regjeringen stiller opp med 2 mill. kr til å videreføre forskningsprosjektet til Fluge og Mella. Men det må nok mer enn 2 mill. kr til hvis man virkelig skal få gjort et gjennomført godt forsøk på dette. Det som er min intensjon med denne interpellasjonen også, er at det finnes mange andre behandlingsmetoder som i dag er utprøvd eller prøves ut. Noen av dem har ikke gode resultater, andre har gode resultater – indikativt hvem det er. Det er kanskje fordi noen av resultatene kommer bl.a. av at man ikke har hatt de samme diagnosegruppene og brukt den samme typen diagnose og diagnostisering for å bestemme hvem som skal delta. Men vi har behov for å gjennomgå alle de behandlingsmetodene som i dag brukes, for å sikre om de er gode, sikre om de har resultater, og begynne å fase ut noen av dem. I hovedsak har man i flere år i Norge sendt disse pasientene til kognitiv terapi, altså psykologhjelp, psykiatrisk hjelp, som nå kanskje viser seg ikke å være det beste, men for noen har det kanskje virket. Da blir det viktig å ta et grep rundt dette og sørge for at alle metodene for behandling som gis, gjennomgås med samme strenge blikk på om det gir resultater, og at det forskningsmessig følges opp. Nav betaler f.eks. penger for at enkelte skal delta på det såkalte Lightning Process. Det er et system som bygger mye på kognitiv terapi, men det er ikke et medisinsk system. Det må likevel være en kvalifikasjon at man forskningsmessig vurderer resultatene når det offentlige er med på å betale for det. Jeg er ikke imot enkelte løsninger, jeg er bare for at vi nå kommer over i et annet spor, hvor man setter de samme klare kravene til alle deler av denne behandlingen, og hvor man forskningsmessig prioriterer å følge opp og vurdere resultatene, hvert enkelt av dem. Det er også en situasjon at mange pasienter har ment at de har fått god hjelp fra Lillestrømklinikken, som nå Helsedirektoratet har satt spørsmålstegn ved om kan dokumentere resultatene. Kanskje vårt svar heller burde vært å stille opp med penger for å forske på om resultatene faktisk er der, og sørge for at vi bidrar til forskningsmessig vurdering av hvilke resultater man får ut av det. I tillegg er det behov for mye mer forskning på årsak, ikke bare på behandlingsspørsmålene og å komme videre for å få det til. Derfor mener jeg at vi må lage et eget program som er sterkere enn det regjeringen har lagt opp til, for å følge opp ME. Jeg mener ikke at det er en partipolitisk sak. Jeg håper at dette er en sak vi kan være enige om i Stortinget at skal ha prioritet. Bakgrunnen for at vi nå bør gjøre noe og bruke mer på dette, er størrelsen og unnlatelsessyndene over så mange år i helsevesenet. Dette er en pasientgruppe som har opplevd å bli mistrodd,

andre kollegaer, ikke minst med arbeidsministeren, for å sørge for at også de familiene som fortsatt sliter, ikke opplever dobbelt trykk, både ikke å få hjelp og å bli fratatt muligheten til å gi hjelp

før tilgjengelig kunnskap og informasjon når ut til alle helsearbeidere som møter disse pasientene. Jeg vil at alle pasienter og pårørende skal møtes med respekt og forståelse. Det er ikke den enkeltes diagnose, men den enkeltes behov for helsehjelp og bistand som skal avgjøre hvilke tjenester som skal tilbys. De siste årene har jeg gitt de regionale helseforetakene styringssignaler i Oppdragsdokumentet om å prioritere tjenestetilbudet til pasienter med ME. Departementet har også bedt Helsedirektoratet om å utarbeide et rundskriv eller en veileder om diagnostisering og oppfølging av pasienter med ulik grad av ME. Dette rundskrivet er i ferd med å bli ferdigstilt i disse dager. innledningen deler jeg veldig sterkt. Likevel mener jeg nok at det har vært en positiv utvikling i tjenestetilbudet til pasientene med ME. Men dessverre er det fremdeles store variasjoner i tilbudet mellom helseregionene, og det er et betydelig forbedringspotensial. forbedringspotensial. Dette kom frem i evalueringen fra SINTEF fra januar 2011. En kunnskapsoppsummering ga ingen klare konklusjoner om diagnostisering, om årsak eller om hva som er effektiv behandling. Det er vanskelig å etablere gode tilbud og informere om oppfølging når kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt. Siden 2007 er det bevilget 25 mill. kr til å styrke tilbudet til mennesker med ME. Helsedirektoratet forvalter disse midlene. Nasjonal kompetanseoppbygging har vært viktig. Midlene har gått til informasjonstiltak, fagutviklingsprosjekter og regionale erfaringskonferanser om ME. Den første konferansen fant sted tidligere denne måneden, med positive tilbakemeldinger. Fra 2012 vil departementet opprette en ny nasjonal kompetansetjeneste for ME i Helse Sør-Øst. Kompetansetjenesten skal bygge opp kompetanse, spre kunnskap og bidra med veiledning til hele helsetjenesten. De skal også overvåke og formidle behandlingsresultater, delta i forskning og undervisning, etablere forskernettverk og bidra i arbeidet med nasjonale retningslinjer.

Det er viktig at vi får flere langsiktige, kliniske studier, så vi kan etablere sikker kunnskap om effekt av denne behandlingen. Først når det er gjort, kan metoden vurderes å tas i bruk som etablert behandling. Jeg ønsker derfor å øremerke 2 mill. kr til en multisenterstudie på ME gjennom Helse Vest i 2012. Det er en overhyppighet av kvinner som får diagnosen Kjønnsperspektivet skal ivaretas i all forskning. Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse ble etablert ved Oslo universitetssykehus i 2006. Senteret har en betydelig forskningsaktivitet og noe utadrettet virksomhet knyttet til kompetansespredning og undervisning. Departementet har nylig gjennomgått alle nasjonale tjenester. Etter en omfattende vurdering vil vi videreføre det nasjonale

Systemet er basert på at det gjennomføres systematiske metodevurderinger før en ny metode innføres som etablert behandling. Dette vil også sikre at ineffektive eller skadelige metoder ikke tas i bruk og at gamle metoder fases ut. Deltakelse i kliniske forskningsstudier om utprøvende behandling kan være en mulighet når det ikke finnes etablert behandling. Forutsetningen er at pasienten fyller kriteriene for å være med i studien. Utprøvende behandling innebærer at det ikke finnes tilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon av nytte og bivirkninger. Slik behandling skal derfor gis gjennom en klinisk forskningsstudie, som skal godkjennes av en regional etisk komité. Departementet arbeider systematisk med å styrke infrastrukturen og omfanget av kliniske studier. Gjennom Nordisk Ministerråd går vi inn for et studier. Målet er å styrke Norden som en konkurransedyktig aktør for gjennomføring av både industrifinansierte og offentlig finansierte kliniske studier. Representanten Solberg spør om jeg vil prioritere forskning på behandlingsformer for ME og fibromyalgi og sørge for at alle behandlingsformer blir underlagt objektiv og sammenliknbar forskning. Det har vært en vesentlig styrking i midler til helseforskning de senere årene. Siden 2006 har midler fra mitt departement til Forskningsrådet økt fra vel 163,5 mill. kr til vel 273 mill. kr i 2011. Midlene går bl.a. til et program som kan finansiere alle typer kliniske studier, bl.a. om alternativ behandling. Det er også en egen satsing I tillegg benyttes det betydelige midler til klinisk pasientrettet forskning i helseforetakene, samlet sett over 2 mrd. kr. Det øremerkede tilskuddet til helseforetakene for 2011 er på 473 mill. kr. I tillegg bruker de regionale helseforetakene egne midler til å finansiere forskning. Det innebærer at det finnes midler som forskere kan søke på til prosjekter knyttet til fibromyalgi. Det gir resultater: For eksempel var studien om kreftmedisin i ME-behandling finansiert av Helse Vest. Jeg mener at tiltakene som er nevnt, synliggjør at vi arbeider systematisk for å sikre at pasientene får vitenskapelig dokumenterte behandlingstilbud. Jeg ser imidlertid behov for at objektiv og sammenliknbar forskning skal gjelde for alle diagnoser. Det pågående arbeidet med å etablere et helhetlig system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten vil også komme pasienter med ME og fibromyalgi til nytte. Jeg er glad for å kunne meddele Stortinget i dag at det vil etableres en egen nasjonal kompetansetjeneste på ME, som skal ha forskning og kompetanseoppbygging som sine viktigste

hvor man kan søke om å gå gjennom behandlingsmetoder og forske på dem, vil ofte være en konflikt rundt hvilke metoder forskere vil interessere seg for, og hvem som kommer med de beste prosjektene. Utfordringen når det gjelder ME, er at det er en av de sykdommene med lavest status vi har for øyeblikket. Det må vi bare ta inn over oss. Og med så mye kontroverser som det har vært, vil færre forskere gå inn på dette området. Når et område har lav status, er av og til det viktigste vi kan gjøre, å øremerke midler til det, for å si at vi politisk mener at dette skal ha høyere status enn det har i dag. Jeg tror statsråden må vurdere å lage et ordentlig program for å vurdere alle de behandlingsformene som finnes i dag, som det offentlige bruker penger på, og som vi burde få vite om virker eller ikke virker, og sammenligne det med andre resultater, samt å si at dette er en prioritert sykdom å jobbe med. Hvis ikke er hele historien i de snart 30 årene vi har bak oss med ME i Norge og i andre land, historien om sykdom, en lavstatussykdom, som omfattes med så mye konflikt at veldig mange av de flinkeste legene ikke søker seg til dette. Ja, det er flere leger som har forsket på ME, som har sagt at hvis de hadde visst hvor mye kontroverser det kom til å være rundt dette, hadde de kanskje aldri begynt på det. Det tyder på at vi trenger større grad av styring. Derfor har jeg et ønske om at vi både øremerker penger,

fra helsemyndighetene til dette. Når vi ønsker å bygge opp nasjonal kompetanse som både skal ha ansvar for forskning og informasjon og etablere det nødvendige nettverk, er det jo nettopp for å kunne spre den kunnskapen som er, ut, og også kunne initiere

enn den man kanskje har hatt – at det forhåpentligvis er mer systematisk, og at man lykkes bedre nå. For det er viktig å få vurdert hvilke metoder som virker, og hvilke som ikke virker. Når vi har øremerket 2 mill. kr til disse kreftlegene, er det jo nettopp fordi dette er et arbeid som Haukeland universitetssjukehus har prioritert ved siden av alt annet. Det er dyre medisiner det er snakk om å prøve ut. ut. Derfor er det viktig at de kan fortsette den delen av sitt arbeid, og derfor var det viktig å komme med ekstra midler for både å stimulere og bidra til at det kom videre. Så har også Helse Vest et stort forskningsbudsjett som kan brukes innen andre deler av forskningen,

sjukdommer. Ikke så rent få har opplevd – som interpellanten var inne på – ikke å bli trodd når de har kommet med sin sjukdomshistorie. Det er vondt å bli rammet av en sånn for mange invalidiserende sjukdom. Enda verre må det være ikke å bli tatt på alvor når man er sjuk. Heldigvis er holdninga noe annerledes i dag enn for bare noen år Forståelsen av sjukdommens karakter og den innvirkning den har på livet til den enkelte pasient, er langt bedre i dag. Som statsråden sa: De som rammes av ME og fibromyalgi, har, som andre pasienter, krav på respekt og forståelse og selvsagt tilbud om god og tilpasset behandling. Det er flest kvinner og for det meste helt unge eller unge voksne som får ME. Fordi det er vanskelig å finne konkrete, målbare holdepunkter for diagnosen, tar det som regel lang tid å komme fram til at det er det pasienten lider av. Av dem som blir rammet, er ca. 10–15 pst. så sjuke at de nærmest blir pleiepasienter. Også fibromyalgi er en sjukdom som oftest rammer kvinner, og som ME er dette en sjukdom med uspesifikke symptomer, hvor forskningstilnærminga har vært vanskelig. Derfor er jeg glad for at regjeringa har gitt klare styringssignaler om at kvinneperspektivet i forskninga skal ivaretas. Det vil kunne bidra til ny viten, både om disse to sjukdommene vi har på dagsordenen i dag, og andre lidelser som særlig rammer kvinner. Det er veldig godt nytt vi nå har fått om de svært lovende resultatene som kreftleger ved Haukeland universitetssjukehus har publisert, der kreftmedisin ser ut til å ha god virkning på pasienter med ME. Det er derfor gledelig at regjeringa nå legger inn 2 mill. kr ekstra til Helse Vest for at forskere skal kunne videreføre sitt arbeid. Samtidig vil jeg understreke at regjeringa har styrket helseforskninga betydelig de siste årene, og at dette også har gitt rom for forskning innen flere steder på behandlingsmetoder for denne sjukdommen, bl.a. ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin i Tromsø. Det er etablert tilbud til ME-pasienter ved flere helseforetak, bl.a. ved lærings- og mestringssentre. Ved barneavdelingen på Rikshospitalet er det opprettet en enhet for ME, som utreder og følger opp pasientene. Vi har også etablert et nasjonalt nettverk av leger som har spesiell kompetanse på denne sykdommen. Men som både statsråden og interpellanten nevnte, viser en rapport fra SINTEF at det er for stor variasjon mellom de ulike helseforetakene når det gjelder tilbudene til pasientene. Derfor er det veldig positivt at det nå opprettes en ny nasjonal kompetansetjeneste for ME fra 2012, som legges til Oslo universitetssykehus. Jeg er også glad for at det i statsbudsjettet for neste år bevilges over 40 mill. kr til de regionale helseforetakene – til kompetansebygging og kompetansedeling ved de i alt 25 nye nasjonale tjenestene vi oppretter. Det har tidligere vært vanskelig for ME-pasienter å få rehabiliteringsstøtte, attføring eller andre

Jeg har også tro på at når vi nå etablerer en nasjonal kompetansetjeneste for ME, vil dette styrke de ulike fagmiljøene over hele landet som driver med forskning og klinisk behandling både av pasienter som har ME, og av pasienter som lider av fibromyalgi, slik at de kan få kunnskap til å gi enda bedre behandling og hjelp til disse utsatte pasientgruppene.

orker. Men mange orker ikke engang å søke hjelp, for de ligger stort sett i sengen sin, i et desperat forsøk på å holde lys og lyd unna. Med smerter er disse totalt avhengig av pårørende som steller dem Hjelpemidler, avlastning, omsorgslønn og pleiepenger – det er en evig kamp mot systemet, dag inn og dag ut, måned etter måned, år etter år. ME rammer mennesker på mange forskjellige måter. Individuell behandling er påkrevet. Et system som fanger opp disse forskjellene, er ikke på plass. Kompetansen og tilbudet er svært forskjellig fra helseregion til Enkelte kommuner har tilegnet seg kunnskap, andre innehar den ikke. Det samme gjelder for Nav-kontorer som skal bistå mer praktisk. For en tid siden ble flere stortingsrepresentanter invitert til å overvære en dokumentar som viser hverdagen for noen av disse menneskene. Filmen gjorde et sterkt inntrykk, men den ga også et enda bedre innblikk i hvor viktig det er at denne gåten blir løst. Problemene og utfordringene står i kø. Disse menneskene trenger hjelp, hjelp, de trenger den i dag, men de vet at de ikke vil få den. Til tross for at sykdommen har vært kjent i flere tiår, knives det fortsatt om hva som utløser den, og hva som er riktig behandling. Flere tilbyr sine tjenester: Lightning Prosess, generell psykiatrisk behandling, testing, blodprøveanalyser og et vell av medikamenter kjøpt på Internett til høye priser. Mange har tatt opp store lån i sin desperate søken etter å bli I opptakten til arbeidet med dette innlegget sjekket jeg Stortingets befatning med ME. Mange år tilbake kan det spores debatter, og skriftlige spørsmål fra en rekke representanter fra de fleste partier til et utall ministre. Det har ikke manglet på engasjement fra dette hus, og det er jeg glad for. Men det har likevel ikke skjedd fryktelig mye. De lærde strides like mye. Noen blir bedre av det ene, mens andre blir bedre av noe helt annet. Et problem har vært at sykdommen knapt er anerkjent som sykdom. Det er en psykisk lidelse, får mange høre – innbilning hører andre. Utredningen tar år. Jeg stilte selv et spørsmål til arbeidsministeren i 2008 på vegne av flere som hadde opplevd å falle mellom to stoler under utredning av sykdommen sin, og som hadde endt opp fullstendig uten inntekt. At kunnskapen om denne sykdommen blir bedre kjent, er viktig for problemstillingen rundt ME. Jeg håper vi i hvert fall er kommet et skritt nærmere når det gjelder akkurat dette, og at det har medført at sykepenger og arbeidsavklaringspenger kommer disse menneskene til gode – selv om jeg registrerer at representanten Dåvøy for mindre enn ett år siden tok opp problemstillingen på nytt. Som politikere har vi den siste tiden fått en del henvendelser etter TV 2s reportasje 19. oktober om de oppsiktsvekkende forskningsresultatene fra Haukeland universitetssjukehus. Resultatene viser at to tredeler av dem som fikk medisinen, opplevde bedring. ME-syke og deres pårørende er svært opprømte, men også bekymret. De vet at ting tak tid, og de er opptatt av at disse nye funnene får bevilgninger som gjør det mulig å jobbe videre for fullt. Det er derfor gledelig at helseministeren i dag har varslet en bevilgning på 2 mill. kr til oppfølging og videre forskning på disse funnene. Som politiker uten medisinsk kompetanse synes jeg det er vanskelig å trekke konklusjoner eller vite hva som er riktig eller galt rundt sykdommen. Jeg synes det er krevende å lytte til historier uten å kunne gi gode svar. Dette er mennesker så desperate at de griper tak i enhver ny behandlingsform som lanseres. Ofte synes det nye å virke en stund. Tro kan flytte fjell, og dette kan medvirke til å forvirre bildet av hvilken behandling som faktisk virker best. Det er derfor bra at det nå skal etableres et nasjonalt kompetansesenter – eller tjeneste, som helseministeren kalte det. Fremskrittspartiet ønsker alle gode nyheter og fremskritt velkommen, og mener det er helt nødvendig og avgjørende å legge til rette for videre forskning og utprøving. Vi må holde trykket oppe! Mange av pasientene ønsker å være med i utprøvende behandling. De ME-syke drømmer om et gjennombrudd. Det er

slik at vi kan videreføre dette prosjektet. Vi har vel alle fått mange henvendelser fra mennesker som er rammet av sykdommen, og fra deres pårørende. Det har gjort, og det gjør, sterkt inntrykk, ikke minst det møtet de har hatt med helsevesenet. Det er ikke tvil om at dette er en pasientgruppe som har vært svært dårlig behandlet, og som har vært en kasteball i et system hvor faglig uenighet og prestisje har vært styrende. styrende. Det er en stor pasientgruppe; det er anslått at om lag 10 000 nordmenn har ME. Av disse er 300 barn, og minst 50 pasienter ligger alvorlig syke og er sterkt pleietrengende. Sykdomsutviklingen og prognosen er uforutsigbar. Noen kan gå tilbake til arbeid og utdanning, mens andre opplever en gradvis forverring. forverring. Det er også stor faglig usikkerhet rundt denne sykdommen. Det skyldes bl.a. at det ikke er en enkel test som kan fastsette diagnosen, og at det er for lite kunnskap om både årsaksforhold og behandlingsmetoder. Det kan selvfølgelig være noe av bakgrunnen for at helsetjenesten i altfor liten grad har tatt denne sykdommen på alvor. Dette må bli bedre. Alle har krav på å bli møtt med åpenhet, Å bli tatt på alvor og bli møtt med respekt er viktig for alle mennesker, men har særlig betydning for pasienter med en kronisk, invalidiserende sykdom. Et arbeidsutvalg oppnevnt av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten vurderte for få år siden den forskningsbaserte kunnskapen om diagnostikk og behandling av ME. Intervjustudier viste hvordan pasienter med kronisk utmattelsessyndrom har opplevd konfliktfylte møter og relasjoner med helsepersonell, og at legenes holdninger til sykdommen og pasientene også har vært av moralsk karakter. Sykdom dreier seg ikke bare om symptomer og funksjonssvikt, men også om identitet. Pasienter med ME har fortalt at de har opplevd stigmatisering og sosial marginalisering når legene ikke er enige om hvilken plass denne tilstanden har i det medisinske kunnskapssystemet. Pasienter har fortalt at leger har gitt uttrykk for skepsis til hvordan pasientene har opplevd symptomer, og til deres oppfatning av årsaksforhold. Erna Solberg nevnte Jørgen Jelstads bok, De bortgjemte – og hvordan ME ble vår tids mest omstridte sykdom. Den skildrer hvor vanskelig det er for ME-syke å få en verdig behandling innenfor det offentlige helsevesen, og den gir en motvilje mot å ta denne sykdommen alvorlig som en somatisk sykdom. Den skildrer også hvor krenkende pasientbehandlingen kan bli når man ikke forstår eller respekterer hvor invalidiserende denne sykdommen kan være. Det er sterk lesning. Økt kunnskap om tilstanden hos både helsearbeidere, trygdevesen og i samfunnet for øvrig kan bidra til en bedre dialog mellom behandler og pasient, der man gjensidig respekterer eventuelle ulike oppfatninger av sykdomsmekanismene samtidig som man er i stand til å etablere en felles plattform for videre samarbeid. Det er helt klart behov for mer kompetanseutvikling og forskning, for mer informasjon og undervisning, og det er behov for bedre tilrettelegging av behandlingstilbudet i kommunenes omsorgstjenester og i spesialisthelsetjenesten. I tillegg må det legges til rette for bedre velferdsordninger. ME-pasienter er like mangfoldige som alle andre, og det er store forskjeller i funksjonsnivå. Derfor er det behov for individuelle løsninger og tilpasninger. La oss håpe at resultatene fra Fluge og Mellas forskning er et vendepunkt når det gjelder forståelsen og behandlingen av Men det kreves mer forskning for å øke kunnskapsgrunnlaget, og Høyre har øremerket 5 mill. kr i sitt alternative budsjett for neste år til denne forskningen. Rent avslutningsvis: Statsråden sa i sitt innlegg at de ville opprette en kompetansetjeneste. Tidligere i dag har jeg hørt at det har vært snakk om et kompetansesenter. har jeg hørt at det har vært snakk om et kompetansesenter. Jeg ble nå litt usikker på hva som egentlig ligger i det, så jeg vil bare be statsråden klargjøre hva som ligger i

har i mange år måttet kjempe for å få aksept for sin diagnose. Nå opplever mange med fibromyalgi det samme. Det er ikke diagnosen den enkelte har, men den enkeltes behov for bistand som skal avgjøre hvilke tjenester som skal ytes. Mennesker som har slike alvorlige helseproblemer, må få et godt offentlig tilbud, slik at de ikke blir overlatt til spekulative private hurtigløsninger. Alle som trenger det, skal få hjelp i Norge, og det er helsevesenets ansvar å sørge for at dette skjer. ME og fibromyalgi er omdiskuterte diagnoser, men det må ikke gå ut over pasientene. For å forhindre at disse menneskene faller mellom stoler, er det viktig å sikre at det drives god og systematisk forskning på årsaksforhold og behandlingsmuligheter. Forskerne regner med at det finnes mellom 9 000 og 18 000 mennesker med ME i Norge i dag, og Norges Fibromyalgi Forbund regner med at nærmere 150 000 mennesker lider av fibromyalgi. Jeg er derfor glad for at regjeringen i statsbudsjettet viderefører bevilgningen på 5 mill. kr i 2012 for å sikre nasjonal kompetanseoppbygging og styrke tilbudet til pasienter med kronisk utmattelsessyndrom, for at statsråden varsler at det skal etableres en egen nasjonal kompetansetjeneste på ME, og for at statsråden vil øremerke 1 mill. kr til en multisenterstudie på ME gjennom Norges forskningsråd i 2012. To dyktige leger har sørget for at vi nå endelig har gjort store framskritt i forskningen på behandling av ME. Det er viktig at vi framover klarer å prioritere fibromyalgi like høyt.

I den forbindelse er det derfor viktig å følge opp de styringssignalene som har kommet fra regjeringen, om at kjønnsperspektivet skal ivaretas i all forskning. Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning vil etablere en ny nasjonal satsing på muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer. Det er å håpe at dette vil komme fibromyalgipasienter til gode.
Neste taler er

noe som betyr at mange svært syke og fullstendig pleietrengende mennesker blir overlatt til pårørende, isolert fra samfunnet. De er rett og slett gitt opp. SINTEF-rapporten tydeliggjør dette på en helt konkret og direkte måte. Mitt anliggende de siste årene har vært de sykeste ME-pasientene, de totalt pleietrengende. Det er nesten ikke til å fatte hvor syke de er og at vårt helsevesen i mange tilfeller ikke stiller opp – men har gitt dem opp. Andre ME-syke er kanskje ikke så syke, de Andre ME-syke er kanskje ikke så syke, de kan kanskje klare å være oppe noen timer daglig, eller ligge på sofaen det meste av dagen. Noen klarer å bevege seg litt ut, for kanskje så å måtte hvile i dagevis etterpå. Noe har skjedd: Noen blir trodd enkelte steder, noen familier har vært heldige og fått pleiepenger, BPA-ordningen, noen syke har fått midlertidig uførepensjon. Men jeg tror nok jeg kan si at de fleste har kjempet hardt for å få hjelp, og noen av dem kjemper fortsatt uten å ha fått hjelp. Mange har brukt titusener, eller hundretusener, på å tilrettelegge hjemmet for å skjerme den syke fullstendig, eller på ulike typer behandling, og dette er jo vanskelig når man har en sykdom som ikke blir forstått, og som man vet lite om. Boken til Jørgen Jelstad er kjempeviktig, men den er skremmende. Egentlig burde den ha blitt lærebok for alt helsepersonell, fordi andre pasienter med andre sykdommer tidligere, som ikke har blitt trodd, på mange måter har opplevd mye av det samme som ME-pasienter opplever i dag. ME-syke trenger hjelp, og de trenger å bli trodd – i dag, og vi trenger forskning. Alle er enige om det – mye forskning. forskning. Det som har skjedd på Haukeland sykehus er utrolig positivt, og det har gitt håp langt utover Norges grenser. Hvis det viser seg gjennom ytterligere forskning at ME – og kanskje også fibromyalgi – er en autoimmun sykdom, ja, da finnes det kanskje også behandling å få. Men forskningsprosjekter tar tid, og de koster penger, mer penger enn det vi kanskje bevilger i dette statsbudsjettet. Men jeg er veldig glad for at statsråden har tatt initiativ til å bidra med 2 mill. kr. Det tror jeg er utrolig viktig. For ME-pasientene betyr det mer enn at pengene settes av; det betyr også at de blir trodd, og det synes jeg er veldig, veldig positivt. I dag er det kun gjennom utprøvende behandling at disse pasientene kan prøve disse medikamentene som har gitt så gode resultater. Vi kan ikke begynne med denne behandlingen som statsråden nå var inne på, umiddelbart til alle. Så gjelder det ett område, nemlig barn med ME: Her slår man også fast i SINTEF-rapporten at det er mangelfull kompetanse og tilbud til barn og unge med ME. Statsråden er kjent med at jeg hadde et skriftlig spørsmål til helsestatsråden bare for vel en ukes tid siden, som ble oversendt til arbeidsministeren. Det gjelder ME-syke barn, det gjelder flere familier som har tatt kontakt om at de nå mister pleiepenge-tilskuddet som de har hatt i mange år. Pleiepenger er jo å erstatte inntekt. Mor til en datter på 12 år forteller at barnet har ligget i sengen siden 2008.

Den er ikke alvorlig nok, og den er ikke livstruende, og hun bekrefter at Nav godt kan ta disse pengene, og at familien får god tid til å omstille seg. De gjør ikke det. Pengene blir tatt fra dem på kanskje noen få ukers varsel. Helseministeren må bidra til at dette blir reversert.

Jeg er en av dem som mener at vi har et godt helsevesen i Norge, og vi har et veldig godt helsevesen sammenlignet med mange andre land. Til tross for det er det pasientgrupper som føler at de ikke blir tatt på alvor, som føler at de ikke blir forstått. Jeg vet at dette er noe ME- og fibromyalgipasienter føler. Jeg har bedt om, og har fått, mange innspill i forkant av denne interpellasjonen. Mange pasienter har, i ren fortvilelse, utviklet seg til de rene ekspertene. Som politiker og ikke-ekspert er det mange ord og uttrykk jeg ikke forstår, men det jeg forstår veldig godt, er at det er en veldig stor fortvilelse knyttet til disse diagnosene, hvis man kan kalle dem det. Jeg er derfor svært glad for at vi i Venstre, i alle våre alternative budsjetter, bevilger mest penger til forskning av alle partier her på Stortinget. Som flere har vært inne på, er det nettopp forskning som gjør at disse pasientgruppene kan se fremtiden litt lysere i møte. Jeg vil sitere en foreldrekontakt i ME-foreningen og representant for pårørende med alvorlig syke barn, ved navnet Mette Schøyen. Hun skriver i en mail til meg: «Dagens problem er feildiagnostisering og stigmatisering, feilbehandling og sterk nedprioritering av biomedisinsk forskning på ME, Man putter alle «slitne» i samme store sekk og kaller det for CFS/ME uten å bruke kriterier som skiller ut den lille men tydelige fysiske sykdommen ME fra en stor gruppe «slitne, stressede, deprimerte, utbrente osv» Dagens problem, problem, er at en gruppering innen helsenorge, ikke anerkjenner ME som en fysisk, nevrologisk sykdom. De nekter å bruke gode anerkjente kriterier for sykdommen, og setter en «Kronisk utmattelsessyndrom diagnose» på alle som har langvarig utmattelse. På denne måten får man en stor sekk full av epler og pærer, og de anslår at 2 % av Norges befolkning har såkalt Kronisk utmattelsessyndrom , og påstår at CFS og ME er det samme. Og de setter psykosomatikk stempelet på og anbefaler at man trener seg opp og de anbefaler også en behandlingsmåte som Dette har fått særdeles alvorlige konsekvenser for veldig mange. Det har ført til alvorlig forverring, også hos barn som pga dette har blitt liggende med sterke smerter, ute av stand til å være ute av seng og i pleie i mørke rom i årevis.» En ting som bekymrer pasientforeningen, er at barn og unge med ikke får nyte godt av den kompetansen som er på ME-senteret eller kompetansetjenesten, som det også blir kalt. Når man først har laget et nasjonalt kompetansesenter, mener pasientforeningen at dette også må omfatte barn og unge. Så min utfordring til helseministeren er hvordan hun ser på dette, hvordan hun ser på at barn og unge er fysisk atskilt fra ME-senteret. Mitt konkrete spørsmål er om helseministeren vil sørge for at ansvaret for barn og unge med ME flyttes over til ME-senteret på Aker sykehus under ledelse av slik at barn og unge får det samme tilbudet som de voksne får. Dette er et sterkt ønske, både fra pasientforeningen og fra pårørende til ME-syke barn. Avslutningsvis – det er selvsagt bra at regjeringen nå bevilger 2 mill. kr til de to kreftlegene på Haukeland, men det trengs mer, og det trengs flere forskningsmiljøer, som mange har vært inne på. Jeg er kritisk til at de rød-grønne har valgt å avslutte gaveforsterkningsordningen som stimulerer til gaver fra private innen kunnskap og forskning. Helt til slutt vil jeg igjen takke interpellanten som helt sikkert har utløst disse millionene fra regjeringen. Jeg lover at vi i Venstre i alle våre budsjetter fremover skal prioritere forskning
Neste taler er

For fire år siden stilte jeg et spørsmål til daværende statsråd Brustad. I begrunnelsen skrev jeg: «Når det offentlige helsevesenet ikke kan tilby adekvat behandling, vil det dukke opp alternative behandlingsformer, og av hensyn til pasientene bør disse hvordan de måtte virke. Slik jeg ser det, vil det nå være riktig å gjennomgå seriøse forsøk og forskning for å finne ut hvilke type behandlinger som kan ha god effekt, og det haster når vi vet hvor mange som i dag lider under denne sykdommen. Bred forskning vil også være viktig for å avdekke behandlingsformer som ikke kan påvise noen effekt, men som kun vil føre til store økonomiske utgifter for den syke.» Det var etter at jeg hadde vært på Huseby og truffet 30–35 pasienter som hadde fått en type manuell behandling nederst i korsryggen, og hvor det var veldig god stemning og man mente at dette var det eneste riktige. Noen uker etter reiste den behandleren ut av landet, ned til Kanariøyene, han fikk ikke fortsette behandlingene her. Det som spørsmålet mitt gjaldt den gangen, var: «Vil statsråden bidra til at alternative metoder som pasienten i dag betaler for, selv kan prøves ut i seriøse forskningsforsøk for å bekrefte eller avkrefte antatte effekter av behandlinger som tilbys, og hvordan ser statsråden på muligheten for å opprette et senter med utradisjonell behandling – altså et senter som det nå kanskje er snakk om i dag. Statsråden den gangen svarte: «Sosial- og helsedirektoratet har fått i oppdrag å lede og koordinere det nasjonale kompetansenettverket for ME. NAFKAM vil bli trukket inn i dette arbeidet. NAFKAM har et register for eksepsjonelle sykdomsforløp hvor pasienter med ME som har gjennomgått alternative behandlingsformer og som har merket bedring/forverring etter en behandling, kan sende inn sine historier. Dette muliggjør at forskerne i første omgang kan studere pasienthistoriene for å se om det er fellestrekk mht behandling Videre: «Det nye kompetansenettverket vil ut fra sitt mandat ta initiativ til forskning og kunnskapsformidling, også når det gjelder alternative behandlingsformer.» Så ser man nå etter fire år at det har skjedd veldig, veldig lite. ME-foreningen har slitt med å få til skikkelige forskningsprosjekt i forhold til biomedisinsk utredning og behandling. Der betaler de veldig mye selv. Når det gjelder den alternative behandlingsformen jeg snakket om i stad, hadde enkelte pasienter og foreldre tatt opp et par hundre tusen i lån for å gi behandling. De er desperate og fortvilte, men det offentlige har ikke ønsket å gå inn i seriøse forskningsprosjekt. Det koster mye, men det er helt nødvendig når det er så mange pasienter som er rammet av en så alvorlig sykdom. Det koster pasienten mange lidelser, og det er også samfunnsøkonomisk kostbart at så mange mennesker ligger og ikke får den behandlingen de skal. Nå nylig var det mange som Men det er også mange som er skeptiske med hensyn til bivirkninger av medisiner, og langtidsvirkninger. Det gjelder jo alle andre behandlinger også, de kan ha bivirkninger, og de kan ha langtidseffekt. Mange av de alternative behandlingsformene som er testet ut, har virket på noen til å begynne med, og så er det mange som kanskje blir sykere etterpå. Da har vi ikke snakket om rehabilitering, det er ikke nevnt i det hele tatt. Det aller viktigste er kanskje å finne årsaken til lidelsen, så færrest mulig blir syke og man kan forhindre at denne sykdommen bryter ut. I neste rekke, når man finner en behandling som kanskje kan virke, må man ha en oppfølging av pasientene, så de ikke får tilbakefall. så de ikke får tilbakefall. Det er mange åpne spørsmål. Det er gledelig at statsråden nå har bevilget 2 mill. kr, slik at de kan komme videre med forskningen. Når det gjelder den forskningen som ble foretatt på biomedisinsk utredning og behandling, fikk Kunnskapssenteret i fjor et hasteoppdrag fra Helsedirektoratet hvor de skulle se nærmere på arbeidet til spesialisten, den belgiske legen og Kunnskapssenteret sier selv at forskningsmetodisk er ikke resultatene gode nok til å kunne danne grunnlag for anbefaling ut fra det vi vet i dag. Man gjør hasteforskning som ikke gir sikre resultater. Meningen med forskning er jo at man skal få gode resultater som kan gi pasientene et tilbud som de kan bli

av. Jeg har lyst til å takke for debatten og diskusjonen. Den understreket én ting, nemlig at engasjementet for ME-syke og fibromyalgi-syke personer har vært sterk på Stortinget over lang tid. Den har vært sterkere på Stortinget enn i de medisinske miljøene. Det er en vesentlig konklusjon som kommer av det. Jeg synes det er flott det statsråden har skissert som rammeverk for hvordan man skal ha kunnskapsbasert behandling fremover. Men hvis man skal gjøre noe i forhold til fibromyalgi og ME, er man nødt til å ha politisk vilje også. Man er nødt til å ha politisk vilje og politisk prioritering, for det er ikke noen automatikk i at om kvalitetssikringssystemene er til stede, vil denne lidelsen, denne sykdommen, bli prioritert, eller behandlingsformen for den være prioritert. den være prioritert. Det er en av de sykdommene som har fått lav status i Norge. Spørsmålet om hva som er årsaken, er konfliktfylt, det er for mange som rett og slett har forelsket seg i sine egne metoder innenfor den medisinske verdenen og sin egen diagnose. Derfor er det ikke åpenhet og prioritering. Slikt skjer, det er en del av utviklingen vi alltid ser. Da er det viktig å se at man også politisk må ha fokus på det. Jeg synes Vigdis Giltuns eksempler stemmer helt med det som er min oppfatning av hva som er problemet. Man kan godt raskt finne ut om en metode ikke gir god nok effekt, men man bør bruke litt tid for å se om det gir effekter. At den medisinen vi nå ser virker i Haukeland sykehus' At den medisinen vi nå ser virker i Haukeland sykehus' forsøk, kommer til å være løsningen, er ikke sannsynlig, det er ikke sannsynlig at det blir den fremtidige løsningen. Men det har gitt en stor og viktig indikasjon på at dette kan være en autoimmun sykdom, at immunsystemet har begynt å slå seg vrang og slåss mot kroppen din, at det er en av de tingene som gjør at man blir så dårlig som man blir, og at det kan være ulike former for hjelp. Det er et skritt videre. Men det er en tredjedel av dem som har blitt behandlet, som ikke har hatt respons. respons. Da er vi tilbake igjen til noe av det som har vært problemet, nemlig at diagnosekriteriene har vært for vide. Da er det viktig at man nå får felles diagnosekriterier. Det er godt mulig at det som i dag heter ME og fibromyalgi, er sekkebetegnelser som i fremtiden kanskje vil ha både tre og fire ulike medisinske diagnoser bak seg – at det er forskjellige sykdommer, men at de likner veldig i symptomer og effekt, men at det vil være forskjellige ting som medfører det. Det er sykdommer som likner på dette, som har fått en diagnose. Hvis man ser hva folk med glutenintoleranse har som reaksjon, minner det om dette. Det er mange andre sykdommer som minner om det samme forløpet. Sannheten om medisinsk forskning er at det er mange ting vi ennå ikke vet. Heldigvis er det optimisme for at vi kan finne ut mer, men det trengs en politisk prioritering hvis det skal skje for ME-syke. Jeg mener interpellanten er

diagnoser som er kjent, som rammer noen av dem. Det er i hvert fall særdeles viktig, og så må man også gå videre inn i det ukjente. Jeg er i hvert fall veldig glad for at man i Helse Sør-Øst og i Oslo har søkt om å få denne kompetansetjenesten, man har søkt om å få etablere den. Det betyr at vi har noen som vil overvåke forskningen, et miljø som kan drive formidling. formidling. Poenget er at de ikke bare skal gjøre det inn i spesialisthelsetjenesten, men også ut mot primærhelsetjenesten. Det blir særdeles viktig fremover, fordi vi i Stortinget tidligere har hørt, når vi har hatt denne diskusjonen, om pasienter som også har vært for syke vi så trege i forhold til i andre land, at vi ikke tar i bruk ting. Men her er det ikke veldig mye å støtte seg på internasjonalt heller. Tvert imot er det slik at den forskningen som skjedde i Bergen, har vakt internasjonal oppsikt, som flere har vært inne på, og det er i hvert fall viktig å kunne videreføre det studiet og se om man ikke bare finner en medisin som lindrer for noen, men at man også klarer å finne en årsak. Så litt til Giltun. Vi har hørt mange historier om ulike typer behandlingsmetoder. Jeg tar ikke stilling til noen av dem, men jeg er veldig opptatt av at det vi anbefaler, og det vi går videre med, skal være

Helsedirektoratet har vært i dialog med Nav. Jeg skal i hvert fall love at jeg skal ta med meg denne interpellasjonen til arbeidsministeren, for jeg er helt enig i at vi må komme noe lenger. Den forskningen som var i Bergen, var en veldig stor inspirasjon til å fortsette. Vi må sørge for at vi holder trykket oppe for disse pasientene. Debatten i sak nr. 7 er dermed avsluttet. Stortinget går da til votering.

jeg får

Stortinget går da til votering. Under debatten er det satt fram i alt syv forslag. Det er forslagene nr. 1–4, fra Linda C. Hofstad Helleland på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti forslagene nr. 5 og 6, fra Linda C. Hofstad Helleland på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre